det kommer ikke til å opprettholdes av seg selv i framtiden heller. Derfor har vi lagt fram denne meldingen, hvor forsyningssikkerhet, klima og verdiskaping ses i sammenheng. Til tross for at verden rundt oss har endret seg i rekordfart, er det første gang på 17 år en slik melding er lagt En av de store endringene er at vi knyttes stadig nærmere energimarkedene rundt oss. Det bygges mer nett, og det blir derav mer handel over grensene. Det gjør selvfølgelig også at vi trenger allierte i vårt arbeid mot EU. Det nordiske samarbeidet blir dermed viktigere. Jeg er glad for at en samlet riksdag – alle partiene i Riksdagen – før helgen understreket hvor viktig et fortsatt sterkt nordisk samarbeid er, noe regjeringen også har lagt vekt på i sin energimelding. Vi vet også at i EU ønsker man tettere samarbeid om energipolitikk. Man ønsker å bevege seg bort fra 28+3-energipolitikk til noe som ligner mer på én energipolitikk. Dette er et arbeid som denne regjeringen med flere statsråder følger tett, for å ivareta overordnede nordiske og europeiske interesser, men også for å ivareta norske særinteresser på energifeltet i dette arbeidet. Selv om det står bra til med ting i stort, har vi også utfordringer å håndtere i tiden framover. Energisystemet vårt er solid, men det må også rustes opp og reinvesteres i. Det er ingen tvil om at de sterke subsidiene, både i Skandinavia og i Nordvest-Europa, har gjort at vi har utviklet nye industrier og ny produksjon. Fornybaroverskuddet er økt, med de mulighetene det gir, men det har også utfordret lønnsomheten i opprusting av eksisterende infrastruktur. Vi må også i tiden framover sikre at storbyene i Norge og industrien vår får tilgang på den kraften de trenger, både for å opprettholde dagens forbruk og for å fase ut fossil energi, noe gjør at vi må ta i bruk fornybar energi også i andre deler av landet i større grad enn tilfellet er i dag. På denne bakgrunn har vi lagt fram en energimelding med fire innsatsområder: styrket forsyningssikkerhet å fortsette å skape verdier som vi kan finansiere velferdsstaten med, basert på vår fornybare energiressurs mer effektiv og klimavennlig bruk av energi, først og fremst i industrien og i transportsektoren å fortsette å utvikle en industri i tilknytning til våre fornybare energiressurser Jeg har vært inne på at vi har et godt nett. I tiden framover kommer det ikke til å være økt volum av kraft verken det norske kraftsystemet eller landene rundt oss kommer til å Det som kommer til å skape utfordringer for energisystemene og kraftsystemene spesielt i tiden framover, er effektubalanse. Vi har håndtert noen av disse utfordringene tidligere gjennom tett samarbeid med Europa og ikke minst Norden. Det er det naturlig at vi gjør også i tiden framover. Så må vi fortsette å utvikle og ruste opp både distribusjons- og transmisjonsnettet, men vi må også ha bedre koordinering av produksjon og forbruk. Det vil altså si at vi har et meget fleksibelt system på produksjonssiden. Så må vi også utvikle et system med mer fleksibilitet på forbrukssiden i tiden framover. Det må vi gjøre for å få plass til mest mulig vindkraft i det norske systemet og for å få plass til flest mulig elbiler. Da må vi ha fleksibilitet også på forbrukssiden. Det at vi får flere effektutfordringer i både vårt eget og våre naboers kraftsystemer i tiden framover, vil gjøre vannkraften enda mer verdifull enn den tidligere har har hørt på debatten en stund. Jeg hørte noen si at vi liksom ikke har kommet med noen politikk i denne meldingen. Jeg har lyst til å gå gjennom hva jeg skjønner jeg har flertallet med meg på i dag. Det ene er oppheving av Samlet plan. Vi ber om å få innføre et nytt instrument, nemlig tidlig avslag på konsesjonssøknader, noe vi ikke har hatt Vi tar til orde for nasjonal ramme for vindkraft. Vi tar til orde for at Enova for første gang skal ha et klimamål de skal rapportere på. Vi tar til orde for at Enova skal prioritere transport og industri. Vi har varslet at vi ønsker å be NVE om å endre praksis ved innsigelser, slik at innsigelsesmyndighet og Vi ønsker å overføre konsesjon for fjernvarme til kommunene. Vi har allerede – som er omtalt i meldingen, men som allerede enten er foreslått eller innført – redusert elavgiften for grønne datasentre. Vi har åpnet for annet eierskap til utenlandskabler enn Statnett og staten. Vi har endret industrikonsesjonsloven, allerede vedtatt i Stortinget, som gjør det mer forutsigbart for industrien å eie kraftproduksjon. Vi har bedt NVE vurdere å beholde innmatingstariffen i lavere nett og utrede det. NVE er allerede i gang med å innføre en plusskundeordning fra neste år, og vi har styrket innsatsen på fornybar kraft voldsomt. Vi har også tatt til orde for å gjøre en vurdering av konsesjonskraftordningene. Det noterer jeg meg at både Senterpartiet og Arbeiderpartiet

Et av temaene som er mye omtalt i meldingen, og som er ganske vesentlig i framtiden, er hvordan vi håndterer den fornybare kraften vi allerede har investert mye i, altså reinvesteringer, vedlikehold og oppgraderinger av eksisterende vannkraftanlegg. Energi Norge peker på at de ser med bekymring på at grunnlaget for samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer i fornybar energi ikke er til stede. Da er mitt spørsmål til statsråden: Hvordan vurderer statsråden situasjonen opp mot mulighetene til reinvesteringer, og hva må til for at man skal kunne klare å vedlikeholde de fantastiske

men jeg husker at da var noe av kritikken at det var for lite klima i meldingen. Nå høres det nesten ut som om det er for mye klima i innstillingen. Energimeldingen har i all hovedsak fått oppslutning fra et betydelig flertall i Stortinget. Det er jeg selvfølgelig glad for, men jeg noterer meg at det var for lite klima først og for mye klima nå. er jeg glad for at balansen ligger et sted mellom Kristelig Folkeparti og Venstre på den ene siden og Fremskrittspartiet og Høyre på den andre siden. Det er et veldig trygt sted å være. Så er det helt riktig at nettopp på grunn av de store subsidiene i Nordvest-Europa, også i Norge, noe vi har vært med og fått flertall for, er det en betydelig ubalanse i systemet nå. Derfor er det viktig at vi får tatt kraften i bruk for å styrke lønnsomheten i norske vannkraftverk i tiden framover. Jeg registrerer at statsråden velger ikke å svare. Det registrerer at statsråden velger ikke å svare. Det synes jeg er beklagelig, og jeg må da prøve igjen, fordi det er adressert en veldig tydelig problemstilling knyttet til eksisterende eldre vannkraftanlegg i Norge, som sårt trenger reinvesteringer. De er bygd på 1950-, 1960-, 1970- og 1980-tallet og står nå overfor et prekært behov for vedlikehold. Og så er det veldig tydelig signalisert fra en samlet kraftbransje, et samlet produsentmiljø, at grunnlaget for samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer i fornybar energi ikke er til stede. Da spør jeg igjen og håper at statsråden vil svare: Hvordan vil statsråden legge til rette for at samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer i fornybar energi kan bli et grunnlag for reinvesteringer og vedlikehold av svært verdifulle ressurser for Norge som samfunn? Vi har redegjort grundig i energimeldingen for behovet i transmisjonsnettet, der vi er godt i gang, og også for behovet for reinvesteringer i vannkraftsystemene våre. Så er det ikke slik at alle de nødvendige investeringene ikke er bedriftsøkonomisk men det er ingen tvil om, som jeg har anerkjent flere ganger, at subsidienivået over tid både i Norge, Sverige og øvrige Europa har medført et energikraftmarked i ubalanse. Det mener jeg at vi redegjør for i energimeldingen, om hvordan vi f.eks. bør styrke norsk kraftforedlende industri, hvordan man tar mer kraft i bruk til transportsektoren, men også hvordan vi over tid bør legge til rette for økt eksport. Vi har allerede gitt konsesjon til 2400 MW kraftkabler som vil kunne bidra til et rebalansert kraftmarked, og svarer ut nettopp det representanten Aasland

Det er en dobbeltrolle vi ikke har hatt siden Statnett og Statkraft skilte lag for en generasjon siden. Regjeringen sier også at det ikke skal være anleggsbidrag ved bygging av utenlandskabler. Det betyr at det i realiteten er forbrukerne, over nettleien, som skal betale private utenlandsforbindelser. Dealen for forbrukerne blir altså at en ved å betale mer i nettleie for kablene skal få høyere strømpris fra Europa. Synes statsråden det er en

og dette har tjent både norske produsenter, produsenter i utlandet og ikke minst norske, svenske og andre konsumenter veldig, veldig godt. Så har vi vært svært tydelige på at vi ikke har tenkt å endre på konsesjonsbehandlingsprosessen. Vi har tenkt å sørge for at Statnett gjør vurderingene av hvordan dette påvirker bakenforliggende nett. Det er noe selvfølgelig også nasjonale energimyndigheter vil ta inn i sin vurdering av de totale samfunnsøkonomiske effektene. Nå synes jeg representanten Marit Arnstad forteller en litt annen historie enn det vi har forsøkt å fortelle.
har hatt utenlandsforbindelser over mange år. Det er ingen som ikke vet det. Det er klart vi er klar over det. Men det nye her er jo at en vil slippe private inn. Og det nye er jo at en da gir slipp på litt av den strategiske rollen som Statnett har, og en kan også risikere å slippe produsenter inn på nettsida. Mitt spørsmål er: Er det riktig at regjeringen ikke kommer til å kreve anleggsbidrag av de private som skal bygge utenlandskabler? Det de da gjør, er at de ber norske forbrukere om å dekke kostnadene for de private som bygger kabler, gjennom nettleien. Som betaling for det får norske forbrukere også høyere strømpris, på grunn av at en øker strømprisen gjennom økte utenlandsforbindelser. Synes statsråden at det er en god deal? Krafthandel – også den mellom Norge og utlandet – tjener alle godt. Den sikrer et effektivt energisystem som tjener alle godt. Vi har tidligere hatt denne typen diskusjoner om hvordan man skal finansiere denne typen mellomlandsforbindelser. Når det gjelder inntekter basert på driften av kabelen – nå må jeg være forsiktig fra Stortingets talerstol – mener jeg at da man ga konsesjon til NorNed-kabelen, forventet man at den måtte være i drift i mer enn tre år før den var nedbetalt, basert på inntektene på men fasiten ble at det gikk langt, langt raskere. Så også selve handelen skaper inntekter, som deles mellom eierne. Og i dette tilfellet med private utbygginger, kan man se for seg at utbyggerne finansierer utbyggingen basert på den typen inntekter. Vi vedtar i dag flere forslag som kommer til å stille store krav til Enova, enten det er

Men ikke minst gjelder det målet om nullutslipp i transportsektoren, som er veldig ambisiøst, med 50 pst. reduksjon innen 2030, i tråd med fagetatenes forslag. Men dette krever mer enn at det bare skal komme tiltak i Enova. Det krever at Nasjonal transportplan følger det opp, det krever at budsjettarbeidet følger det opp, og det krever også at man følger med på hva som skjer ved mange av de beslutningene som gjøres lokalt. Da blir mitt spørsmål til statsråden: Når han nå skal lage en ny avtale med Enova, hvordan ser han for seg å koordinere det arbeidet opp mot Nasjonal transportplan og opp mot budsjettarbeidet, slik at det er regjeringens politikk som helhet som står bak for å nå

Han nevnte i sitt innlegg at det skal være industri og transport som er Enovas hovedfokusområder. Men det er jo ikke riktig, for i tillegg har jo statsråden fått en veldig klar beskjed fra stortingsflertallet om at det skal komme et kutt på 10 TWh i energibruken i den eksisterende boligmassen i løpet av denne perioden, fram til 2030. Da spør jeg statsråden: Hvordan har han tenkt å formulere hva Enova skal få til av denne energieffektiviseringen fram til 2020, eller hvordan har han ellers tenkt å følge dette opp? La meg begynne med å si at jeg er fullstendig enig med representanten Holmås: Kvoteprisene i EU er altfor lave. Det har vært et perspektiv som både min kollega Helgesen og jeg, sammen med flere av våre kolleger i regjeringen, har båret fram til EU. Det er helt nødvendig for å få en mest mulig effektiv overgang til et mer bærekraftig energisystem i Europa og bli kvitt kull i de europeiske kraftsystemene. Det får vi ikke med dagens lave kvotepriser. Så er ikke tvil om at betydelig subsidiering av energi – også av kull, faktisk – også har bidratt til at vi har kommet dit. Når det gjelder målet om 10 TWh reduksjon i eksisterende bygg, er det ikke tvil om at det kommer til å medføre utfordringer. utfordringer. Det kommer til å bli kostbart, det kommer til å handle om at vi må ha tiltak, f.eks. fra Enova, som vi allerede har på plass, men også andre tiltak. Hvordan dette skal bli levert på, må vi få lov til å komme tilbake til. Det kommer til å involvere flere statsråder enn meg, bl.a. kommunal- og moderniseringsministeren. Dermed er replikkordskiftet omme. Når vi skal få ned Norges nasjonale utslipp frem mot 2030, og når vi skal videre mot lavutslippssamfunnet i 2050, er samspillet mellom energi- og

Det er all grunn til å gratulere med godt arbeid fra både saksordføreren og komiteen i den sammenheng. Energipolitikken må bygge oppunder de klimapolitiske målsettingene og er en av Norges fremste ressurser for å nå klimamålene. Vi ser at verdens energisystemer er i endring. Kostnadsfallet på fornybare teknologier og teknologisk utvikling som legger til rette for smartere energisystemer, betyr at vi i fremtiden kan ha en utslippsfri energiforsyning. Vi har fra norsk side et fantastisk utgangspunkt med våre vannkraftressurser. Regjeringen vil legge til rette for lønnsom produksjon av fornybar energi i Norge, samtidig som vi ivaretar naturverdier på en god måte. Utbyggingen av fornybar energi skal skje kontrollert, og utbyggingen skal gjøres med minst mulig negative konsekvenser for miljøet. Derfor er jeg glad for flere viktige og gode tiltak i Vi skal bidra til overgangen i Europa og globalt. Vi skal eksportere ren kraft, vi skal eksportere produkter produsert med ren kraft, og vi skal bidra til teknologiutviklingen på fornybarområdet. Det er derfor viktig at det er en støtteordning for demonstrasjonsprosjekter for flytende havvind og andre former for havbasert fornybar teknologi. Transport er den største utslippskilden i Norge. Sektoren står for omtrent en tredjedel av de norske klimagassutslippene. En vesentlig del av norske klimakutt må tas her. Det var derfor regjeringen for første gang ba om at det skulle lages en egen klimastrategi i NTP. Klimastrategien i grunnlagsdokumentet til NTP viser at det i følge transportetatene er mulig å nå målet om å redusere transportutslippene med mer enn 50 pst. i 2030. I min klimapolitiske redegjørelse for Stortinget informerte jeg om at transportetatenes klimainnspill ville være et viktig bidrag i NTP-prosessen. Flertallet, med sitt forslag ved behandlingen av energimeldingen om måltall for biler, viser utålmodighet og viser vei her. Gjennom arbeidet med NTP vil regjeringen følge opp dette vedtaket. Det er sagt at det burde vært gjort et større arbeid med virkemidler her. Vel, vi kjenner mange av virkemidlene, og NTP vil ikke minst være viktig når det gjelder å peke på virkemidlene. Klimastrategien er også en del av regjeringens arbeid med å skaffe virkemidler og god innsikt i hva som vil være de riktige virkemidlene fremover. Klimautfordringen er global, og løsningene må derfor også være internasjonale. EU og Norge har som utgangspunkt at gjennomføring av klimatiltak ses som ledd i en langsiktig omstilling til lavutslippssamfunnet. Sammen med EU kan vi legge grunnlaget for grønn konkurransekraft, for utvikling av null- og lavutslippsteknologier, for at Norge og Europa kan bli vinnere både som lavutslippssamfunn og som vekstkraftige økonomier. Regjeringen arbeider med en rekke prosesser for å omstille norsk økonomi i grønn retning. Det er stadig større sammenfall mellom økonomiske prosesser, det er stadig større sammenfall mellom sunne økonomiske prosesser og sunn økonomisk politikk og grønn politikk. Mot slutten av 2016 skal det inngås ny avtale med Enova. Det er et viktig virkemiddel for utvikling av null- og lavutslippsteknologi. Energimeldingen og innstillingen gir viktige føringer for den videre innretningen nettopp i det grønne konkurransekraftperspektivet. Vi skal som sagt legge frem ny nasjonal transportplan, vi skal legge frem en industrimelding i første halvdel av 2017, vi kommer også tilbake til Stortinget med en sak etter at innsatsfordelingen i EU er klar, som beskriver hvordan vi skal nå vårt klimamål for 2030. Også det et viktig skritt for å bygge et lavutslippssamfunn som ikke er et lavinntektssamfunn, et lavutslippssamfunn som sikrer grønn vekst på veien. Dette er viktige skritt på veien mot lavutslippssamfunnet, og med behandlingen av energimeldingen har Stortinget økt både ambisjonsnivået og tempoet i det arbeidet. Det blir replikkordskifte. Det grønne preget på innstillingen kan en godt diskutere grunnlaget for.

han var innom. Han sa nemlig at en vesentlig reduksjon av klimagassutslippene må komme eller tas i transportsektoren. Og så sa han videre: Man kjenner allerede mange av virkemidlene. Med basis i transportetatenes anbefalinger, hvilke virkemidler er det statsråden vil anbefale for at målene om nullutslipp skal kunne bli en realitet i 2025? Statsråd Lien – Helgesen President, energiministeren og jeg har samme frisør, men utover det er det også en del som skiller oss. Vi vet om mange av virkemidlene fordi vi vet at en del virkemidler vi har, allerede funker. Elbilordningen er ett av eksemplene på det. 2020-målene for utslippskrav i den nye bilparken når vi antakelig neste år. Så vet vi at kanskje i overkant basert seg på biodrivstoff i sin klimastrategi. Vi tror at det er flere teknologier som vil muliggjøre nullutslipp og visjonen for 2025. Så har vi et styrket Enova, som følge av behandlingen av energimeldingen, og vi arbeider med et grønt skatteskifte. Det skal bli dyrere å forurense, også for bilparken. bilparken. Disse er alle virkemidler som vil bidra til å nå disse målene. Klima- og miljøministeren sa vel egentlig stikkordene: Det må bli dyrere å forurense. Er statsråden imponert over måten en f.eks. har behandlet avgiftene knyttet til fossil energi på, kontra det en har gjort knyttet til fornybar energi? Fornybar energi har under denne regjeringen stadig blitt dyrere på avgiftssiden, mens fossil energi er blitt holdt på samme prisnivå. Er det en riktig vei fram til 2025, slik klima- og miljøministeren vurderer det, ut fra kravet om nullutslippsteknologi i 2025? Det er vel ikke slik at det er noen store, folkelige mishagsytringer over kraftprisen for tiden. Vi legger opp til – og det har vi klare formuleringer om sammen med våre samarbeidspartier – at vi skal gjennom et grønt skatteskifte. Det er en komplisert prosess, fordi enhver skatteprosess er det. Men at prinsippet om at forurenseren betaler, og at mer forurensning skal være dyrere enn mindre forurensning, skal ligge til grunn, og at det kommer til å bli et viktigere prinsipp i årene som kommer – frem mot 2025, frem mot er jeg ikke i tvil om. Samtidig vil vi i EUs kvotesystem over tid få økte priser, som også vil bidra til den samme dynamikken. Spørsmålet om en norsk klimalov har utviklet seg langsomt og gjennom lang tid. Regjeringen har ikke vært blant de mest glødende pådriverne for å få til denne loven. Det ble et vedtak i Stortinget om en relativt rund formulering. Siden har forståelsen for nytten av en klimalov – har jeg inntrykk av – økt hos mange aktører. Nå får vi altså et vedtak om en ytterligere klargjøring av hvilke krav en klimalov skal inneholde, og hvordan den skal fungere. Kan statsråden for det første bekrefte at han tar inn over seg de nye og klarere føringene for hvordan en klimalov skal utformes? Og kan statsråden gi et tidspunkt for når en klimalov vil bli lagt fram for Stortinget? Til det siste spørsmålet: Jeg kan ikke nå gi noen tidsplan. Det er slik at vi arbeider etter den tidsfristen Stortinget har satt, at loven skal kunne behandles i inneværende stortingsperiode. Det er også viktig å ha klart for seg at dette er et komplisert arbeid. Lovgivningsmessig er dette en nyskaping i norsk rett, i norsk lovgivningspraksis og forvaltningspraksis. Vi må derfor gå mange runder for å sørge for at det vi utformer, harmonerer både med vårt parlamentariske system, med norsk klimapolitikk og med våre nasjonale forhold. forhold. Jeg tar definitivt inn over meg de føringene som er kommet fra Stortinget i behandlingen av energimeldingen, men vil ellers ikke gå nærmere inn på forslaget nå. Det kommer til å bli sendt på vanlig høring når det er klart. Jeg takker for svaret fra statsråden, som ikke er så fryktelig oppklarende. Jeg vil presisere spørsmålet: Kan statsråden bekrefte at Stortinget vil få seg forelagt et forslag til en klimalov slik at vi kan behandle det i denne stortingsperioden? Eller risikerer vi at regjeringen som en siste handling legger fram et forslag som man må vente til neste stortingsperiode med Som jeg sa, er Stortingets forventning at loven skal kunne behandles i inneværende stortingsperiode, det er den tidsplanen vi arbeider etter. Men jeg understreker igjen at dette – lovgivningspolitisk og lovgivningsteknisk – er et komplisert stykke arbeid. Det er viktig at vi ikke går på akkord med de grunnleggende prinsippene om ansvarsfordeling mellom storting og regjering – og arbeidsmåter mellom storting og regjering. En lov på dette området – for å regulere forholdet mellom storting og regjering – er ikke noe vi er vant med fra andre områder. Lover som fastsetter mål for samfunnsutviklingen med større presisjonsnivå og som er vanlig på andre områder, er komplisert. Derfor er dette et arbeid som tar av spørsmålet om klimalov: Det handler også om å ha systematikk i arbeidet for å redusere klimagassutslippet i Norge, noe som har vært en mangel gjennom mange år. Nå fatter vi vedtak om at man i prosessen med EU – når vi skal nå målene – må ha beregninger av utslippsbaner, og man må ha tiltakslister for hvordan man skal nå målene. Dette gjelder spesielt innenfor ikke-kvotepliktig sektor, hvor vi forventer å få en forpliktelse om å måtte redusere ned mot 40 pst. Mitt spørsmål handler egentlig kvotepliktig sektor, for mange av tiltakene i energimeldingen og vedtakene vi nå fatter, handler om tiltak innenfor kvotepliktig sektor, hvor vi også trenger mer kunnskap for å vite effekten av de tiltakene vi gjennomfører – enten det er innenfor industrien eller det gjelder innenfor petroleumsnæringen. Mitt spørsmål til statsråden er: Hvordan ser han for seg at man skal rapportere på utslippsbaner og tiltakslister også innenfor kvotepliktig sektor i årene framover? Elvestuen har et godt poeng knyttet til hva vi faktisk vet om effekten av ulike tiltak. Der har jeg bedt om flere innspill fra mitt system, fordi det er åpenbart at noen tiltak er enklere å måle effekten av enn andre. Det gjelder for så vidt både i ikke-kvotepliktig og i kvotepliktig sektor, men mye om kvantifisering er en utfordring. Vi har vært en del av kvotepliktig sektor i mange år. Vi er med i EUs prosess for å skjerpe inn kvotepliktig sektor og vil også i det arbeidet se hen til hvordan man kan kvantifisere effekten av politikken.

nå – som er innspillet fra fagetatene. Nå har Stortinget etter forslag fra regjeringen akkurat vedtatt ny lov om at man fra det offentliges side skal stille miljøkrav. Men i dag avviser et flertall på Stortinget SV og Miljøpartiet De Grønnes forslag om at offentlige innkjøp i transportsektoren skal baseres på nullutslipp. Det fører meg over til å stille

vår tilnærming at de enkelte offentlige myndigheter skal ha en – kort fortalt – grønn plan for sine innkjøp. Det er viktig ikke å detaljstyre myndighetene for mye, men la dem få lov til å lage sine planer basert på de overordnede kravene. Det er en klar innskjerping i forhold til dagens lov – i det at det skal foreligge en gjennomtenkt strategi for innkjøp. Det vil selvsagt også dreie seg om når man skal anskaffe biler og bilpark. Dermed er replikkordskiftet omme.

Norsk kraftproduksjon er i dag nær 100 pst. fornybar. Det kan vi takke en lang rekke framsynte politikere og industribyggere for. Det var ikke klimapolitiske hensyn som drev fram vannkraftens rolle i Norge, men i en tid hvor global oppvarming defineres som vår største utfordring, kan vi konstatere at det norske samfunnet står i en særstilling, takket være en til tider utskjelt kraftpolitikk Vi har i dag en positiv kraftbalanse i normalår. Ny utbygging som følge av grønne sertifikater sammen med omfattende energieffektivisering gir oss et overskudd av fornybar kraft, som er et ypperlig utgangspunkt for å gjøre som våre forfedre: å ta djerve tak for å skape nye, framtidsrettede arbeidsplasser og verdiskapning. Mens resten av verden bruker store ressurser på å avkarbonisere sin kraftforsyning, kan vi ta en ledende posisjon i det som blir kapittel to i beretningen om skapelsen av et nullutslippssamfunn. Vi kan konvertere energibruken fra fossil til fornybar i transport, landbruk og industri. Vi kan erstatte kull med hydrogen i prosessindustrien. Vi kan skape arbeidsplasser i nye kraftintensive næringer. Med dette bakteppet skulle vi tro at en energimelding ville gi klare føringer på hvordan vi, med vårt energisystem og overskudd på fornybar kraft, kan virkeliggjøre disse ambisjonene, men det har ikke skjedd. Stortingsmeldingen feier over disse temaene med harelabb. Litt positiv omtale og henvisning til eksisterende forskningsprogrammer er alt regjeringen har å by på. Meldingen fokuserer på lønnsomhet i kraftproduksjon – lønnsomhet for produsentene. Avvikling av grønne sertifikater og krafteksport skal bidra til økt lønnsomhet. Kommunenes kompensasjon for avgitte arealer og naturinngrep blir framstilt som et problem for produsentene. Norsk kraftforedlende industri står for en tredjedel av kraftforbruket i Norge og er uhyre sårbar for prisstigninger. En kraftkostnadsøkning på bare ett øre per kWh vil gi næringen 350 mill. kr i økte kostnader. Disse bedriftene sysselsetter 40 000 mennesker over hele landet og er helt avgjørende for bosetting og ringvirkninger i distriktene. Denne industrien ligger i front når det gjelder energieffektivisering, og de utvikler ny teknologi som gir sterkt reduserte klimagassutslipp. Et strålende eksempel på dette er bedriften Tizir i Tyssedal, som vil erstatte kull med hydrogen i produksjonsprosessen. Dette er prosjekt som må gå i flere trinn og som vil gi 90 pst. kutt i CO2-utslipp og betydelig energieffektivisering. Enova har støttet første del av prosjektet, og det er helt nødvendig at også neste trinn i prosjektet får støtte. Med dette prosjektet får vi ikke bare drift med lave utslipp. Vi ser også det som kan bli begynnelsen på et nytt industrieventyr i Norge: produksjon av hydrogen. Det finnes flere eksempler på at vår kraftforedlende industri utvikler ny teknologi og nye prosesser for å øke sin konkurransekraft. Arbeiderpartiet vil støtte opp under dette. Vi vil bruke kraftoverskuddet til å skape nye arbeidsplasser, ny industri og ny varig og bærekraftig Derfor vil vi øke Fondet for klimateknologi, fornybar energi og energiomlegging til 100 mrd. kr i 2017, og ytterligere øke dette om Enova får tillagt nye oppgaver. Enova trenger de musklene som dette gir, i sitt arbeid opp mot industrien. Vi får dessverre ikke flertall for dette i dag. Vi får heller ikke i denne omgangen støtte for forslaget om å få en likeverdig tariffmodell for industrien, uavhengig av om den ligger i Vårt forslag om en utfyllende strategi for økt brukt av hydrogen i transport og industri får heller ikke støtte fra regjerings- og støttepartiene. Norsk industri fortjener en sterkere rolle i vår energipolitikk enn det regjeringen gir den i denne meldingen. Det må være en politisk målsetting å holde kraftprisene på et nivå som opprettholder norsk industris konkurransefortrinn. Energimeldingen som vi behandler i dag, gir ingen føringer i så måte, heller ikke på dette La meg også si noen ord om utenlandsforbindelsene, som var tema for replikkvekslingen mellom statsråd Lien og representanten Arnstad. Jeg synes det er viktig å presisere at de endringene som regjeringen har foreslått når det gjelder utenlandsforbindelsene, ikke handler om vellykketheten eller nødvendigheten av kraftutveksling mellom Norge og våre naboland. Det handler ikke om hvorvidt noen skal få lov til å prosjektere og komme inn med nye ideer og ny innovasjon i utviklingen av denne typen prosjekter. Det det handler om, er drift og eierskap. Hvem skal eie? Hvem skal høste flaskehalsinntektene? Og hvordan skal Jeg ble bekymret da statsråden var så lite villig til å gi representanten Arnstad et svar på det spørsmålet hun stilte om anleggsbidrag på utenlandskablene. Det gir oss en pekepinn på hvilke tema som vil bli diskutert og hvor striden vil stå til høsten, når vi skal behandle Prop. 98 L. Jeg kan i hvert fall klart si fra Arbeiderpartiets side at vi ikke støtter regjeringens forslag på dette punktet, og vi hører heller ikke noen beroligende ord fra statsråden når dette kommer på banen i dag. Det føyer seg inn i en rekke av tiltak som etter min mening setter nettopp industriens lave kraftpriser i fare, og dermed også utfordrer hvilke muligheter vi har til virkelig å ta ledelsen i overgangen til et nullutslippssamfunn. Rent generelt hører jeg skryt fra de borgerlige her over at man har kommet fram til en bred enighet.

viktig næring som energinæringen og energiforsyningen i Norge er, og ikke minst de klimapolitiske aspektene av det. Men hva består denne enigheten av? Hvis vi leser de vedtakene som blir gjort nå, handler det om at regjeringen skal vurdere, legge til rette for, redegjøre, utrede og kartlegge. Det er ikke mye

hvor potent denne enigheten er. I hvilken grad bringer denne enigheten oss framover i energipolitikken? Se på et annet eksempel: I energieffektivisering er man enige om et mål på 10 TWh. I og for seg greit, men det er en helt meningsløs enighet når man ikke sier noe om hvordan man har tenkt å komme fram til det målet. For det er helt klart at når det gjelder energieffektivisering i eksisterende bygg, er det en kostbar affære målt med kostnad per spart kWh. Derfor er det viktig å konkretisere hva man er enige om; når kommer planen, hvilke tanker har man gjort seg om dette. Men der har regjeringens støttepartier her på Stortinget ingenting å bidra med i innstillingen, og det er ikke rart, fordi da ville den uenigheten som faktisk eksisterer i denne «brede borgerlige enigheten», komme til syne. For jeg tror ikke at enigheten er så sterk mellom Venstre og Fremskrittspartiet når det kommer ned til business og til hvordan skal vi skal gjøre dette, hvilke virkemidler vi har. Da kan representanten Korsberg gjerne harselere over at det ikke kom en energimelding fra den forrige regjeringen og spekulere i at det skyldtes uenighet. Men det vi kan si, er at resultatene fra den forrige regjeringen viste at det skjedde noe, det brakte landet framover: Den enigheten som oppnås her i Stortinget, og som vi ser i denne meldingen, bringer oss ingensteds hen. Den gir bare en masse utredningsarbeid for regjeringen.
Neste taler er

Det å sitte i opposisjon har sine fordeler, fordi man har tid til å være utålmodig. Her hos oss reflekteres dette gjerne gjennom at opposisjonen finner ut hva regjeringen har tenkt å fremme av saker, for så å fremme dem selv og deretter fortelle at regjeringen intet gjør, men blir instruert av Stortinget. Ja vel, ja vel. Men Det første vi måtte ta fatt på, var arven etter den forrige regjeringen, nemlig de grønne sertifikatene. Det ble innført i 2011, og en rekke utbyggere før 2011 hadde fått politiske føringer på at om de startet opp byggingen, skulle de få være med i ordningen når den ble innført. Så enkelt ble det ikke. Mange grunneiere satset gård og grunn i den tro at de skulle få sertifikater, men sertifikatene uteble. Etter at vi overtok, satte vi fart på det arbeidet, og ved første kontrollstasjon av ordningen med Sverige fikk de fleste oppfylt sine krav, og vi fikk gjort opp våre forpliktelser. Det neste var at vi så at sertifikatordningen ikke traff riktig slik som vi hadde trodd. Det meste av ny kraft kom i Sverige og ikke hos oss. Det ble behov for en ny gjennomgang av vilkår, og vi så at vindkraften kom særlig dårlig ut. Derfor har vi jobbet med å få avskrivningsregler for vindkraft som er tilpasset markedet. Saken ligger til ratifisering, og vi regner med at det kommer på plass. Det neste vi måtte ta fatt i, var en rapport som var bestilt av den forrige regjeringen. Reiten-utvalget framla sin rapport «Et bedre organisert strømnett» våren 2014. Rapporten ga oss råd om organisering for å ruste opp nettet for en bedre framtid. Det var behov for endringer for at vi skulle være i stand til å bygge fornybarhetssamfunnet. Dagens organisering trengtes å strammes opp. Og det var behov for endringer i energiloven, egentlig å sluttføre de endringene som allerede ble påbegynt i 1991. Dette arbeidet startet umiddelbart

men det er et ønske at private kan komme på banen sammen med Statnett, slik at flere kreative aktører kan skape flere grønne arbeidsplasser i Norge. Det neste som ligger i fundamentet om en fornybar framtid, handler om at vi må få søknader om utbygginger gjennom byråkratiet og forenkle saksbehandlingen. Vi har gitt mange konsesjoner, forenklet saksbehandlingen og kommet i gang med utbygging, slik at de som ønsker å bygge ut, skal nå fristen i 2021 for å få sertifikater.

Norge. Det er gitt mange konsesjoner, og mange store prosjekter er under bygging. Nytt transmisjonsnett i Lofoten er på plass, og det er også gitt konsesjon til bygging av Bjerkvik–Skaidi. Jeg nevner disse av den enkle grunn at det er to store prosjekter som er viktige for min landsdel. Men det er mange andre store utbygginger som er på gang, og det legges opp til en investering bare i transmisjonsnettet på 50 mrd. kr de neste ti årene. Det skal ditto investeres i distribusjonsnett, og det må til skal vi kunne få bygget ut ladekapasitet for elbiler eller legge til rette for landstrøm i våre havner. I tillegg må vi legge til rette for grønne arbeidsplasser. Det arbeides det kontinuerlig med, og til høsten legger regjeringen fram sitt arbeid knyttet til grønn konkurransekraft og ny industrimelding. Men vi sitter ikke og venter, og energimeldingen er siste hånd på verket sammen med endringer i konsesjonsloven, hvor vi innfører en ANS- og en DA-modell for å sikre forutsigbar kraft for industrien. Vi åpner for utbygging av kraft i vernede vassdrag for å forebygge flom og skred. Vi fortsetter å forenkle ved å ta bort Samlet plan for vannkraftutbygging, samt at vi lager en plan for bygging av vindkraft. Det er sådd tvil om opprinnelsesgarantiene, noe vi har parkert, på samme måten som vi opprettholder kommunens rett til å beholde konsesjonskraft og Vi slår fast at ryggraden i vårt fornybarsamfunn er vannkraften. Vi åpner for fornybare prosjekter knyttet til havvind ved å foreslå å realisere et demonstrasjonsprosjekt. Vi avvikler de grønne sertifikatene og signaliserer at vi for framtiden ikke ønsker å subsidiere kjent teknologi, men heller vil bruke subsidier til ny teknologi og nye muligheter.

Noen har kritisert Norge for å ha lave ambisjoner innenfor fornybarsatsingen. Men jeg støtter ikke den oppfatningen. Norge var tidlig ute med å utnytte de naturlige fortrinn vi har her i landet vårt, nemlig fossefall, elver og vassdrag. 99 pst. av all kraftproduksjon i Norge kommer fra vannkraft. I verden i 2015 utgjorde vannkraft 16,6 pst. av den totale elektriske energiproduksjonen. Til sammenligning utgjorde elektrisk produksjon fra kjernekraft 12,8 pst., mens produksjon fra andre fornybare energikilder som vind, sol og geotermisk energi utgjorde 3,6 pst. Jeg synes det virker merkelig at de samme partier som roper høyest om at Norge må satse mer på fornybar energiproduksjon, også er de partier som er mest motstandere av utbygging av vassdrag og nærmest skulle sett at de fleste vassdrag i Norge hadde blitt vernet. Jeg representerer Finnmark. For Nord-Norge er det viktig med en god rammevilkår og etablering og utvikling av industrien. Diskusjonen om elektrifisering av norsk sokkel vil for Nord-Norge bety elektrifisering av Johan Castberg-feltet. Det er viktig med langsiktig og forutsigbar tilførsel av energi til denne delen av landet. Derfor er det viktig at Fremskrittspartiet sammen med regjeringen satser på bygging av kraftnettet fra Balsfjord i Nordland til Skaidi i Finnmark. Neste fase blir å forlenge dette nettet til Varangerbotn. I januar i år gikk det ut pressemelding om at Finnmark Kraft AS vil bygge ut Hamnefjellet vindkraftverk i Båtsfjord i Finnmark. Det er en vindmøllepark med 15 turbiner med samlet installert effekt på ca. 50 MW. Søknad om konsesjon ble første gang sendt i 2006. Konsesjonen ble gitt høsten 2013. En viktig forutsetning for investering og satsing innen vindkraft er gode rammevilkår gjennom bl.a. gode avskrivningsmuligheter. Fremskrittspartiet og regjeringen sendte derfor i mai i år en formell notifikasjon til ESA om gunstigere avskrivningsregler for nettopp vindkraft. Opposisjonen med Arbeiderpartiet i spissen har til det kjedsommelige siden Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen tok over høsten 2013, uttalt at regjeringen leverer for lite for sent, og at regjeringen ikke satser i nord. Vel, jeg for min del foretrekker at det blir levert på energipolitikken framfor ikke i det hele tatt.
Neste taler er

Det tas ingen nye initiativ, og den må hales og dras i for å gjøre det som Stortinget har bedt den om å gjøre. I snart tre år har enhver henvisning til klima- og energispørsmål blitt henvist til energimeldingen, forslag har blitt avvist, og tiltak har blitt utsatt fordi man har sagt: Bare vent til energimeldingen kommer, så kommer svarene. Skuffelsen var derfor stor da det kom Skuffelsen var derfor stor da det kom en melding som, som det er blitt sagt av mange, hadde gode beskrivelser av hvordan virkeligheten er, men er veldig svak på politikken for framtida. Dette er ikke en melding som leder an, men det er en melding som beskriver. Vi trenger ikke flere beskrivelser, vi trenger handling. Hvor har egentlig klimaminister Vidar Helgesen vært mens denne meldingen ble utarbeidet? Vi skjønner at denne regjeringen ikke har Vi skjønner at denne regjeringen ikke har hatt til hensikt å legge fram en egen klimamelding, i motsetning til hva som ble gjort i de to foregående periodene, så dette kunne vært klimaministerens inngang til å beskrive nullutslippssamfunnet. Den muligheten har ikke ministeren brukt. Når meldingen var svak, så vi fram til behandlingen her i Stortinget og at vi kunne få en mulighet hvor Stortinget kunne samle seg om akkurat som Stortinget gjorde i forbindelse med naturmangfoldmeldingen som ble lagt fram tidligere i vår, hvor Stortinget på en rekke områder klarte å samle seg. Men i denne saken var det ikke mulig. Venstre og Kristelig Folkeparti brukte ikke det handlingsrommet de har når de står utenfor regjeringen, men de laget isteden en enighet med det som er ytterpunktet i klimapolitikken. Det har men den er på ingen måte blitt så mye bedre, slik som den kunne ha blitt. Det gjør at denne meldingen blir nok en tapt mulighet for klimaet. I dag vil det være en rekke forslag som egentlig har et flertall bak seg i Stortinget, men som dessverre vil bli nedstemt, og istedenfor har vi fått en del forslag som gir uklare kompromisser. Arbeiderpartiet foreslo at vi skulle ha en politikk som gjorde at vi kunne fase ut nysalget av diesel- og bensinbiler. Dagens Næringsliv skrev for en ukes tid siden at de borgerlige nå var enige om politikken i energimeldingen, bl.a. at man skulle stoppe salget av nye fossilbiler fra 2025. Entusiastisk la klimaministeren bilde av den forsiden ut på Twitter og skrev: «bred klima- og energipolitisk offensiv fra samarbeidspartiene». Forsiden han skrøt av, var den samme forsiden som Høyre umiddelbart sendte ut en pressemelding om og sa at var «misvisende». Fremskrittspartiets nestleder og Helgesens kollega, Per Sandberg, skriver i en SMS til Dagens Næringsliv at det er hinsides hva som står i avisen, og at det visstnok er rom for ulik fortolkning. Ola Elvestuen, derimot, sier at han står fast ved at det bare blir salg av nullutslippsbiler i 2025. Men Elvestuens problem er at det er Sandberg og Fremskrittspartiet som sitter i regjering og skal gjennomføre politikken. Da bør vi lære at uklare meldinger ikke er veien å gå. Nei, vi trenger klare vedtak som ikke gir rom for ulike fortolkninger eller som skyver avgjørelsene fram i tid. Vi trenger målsettinger, men vi trenger også politikken for å nå Vi fremmer i dag en rekke forslag om infrastruktur i elbilpoltikken, som vil bli nedstemt. Vi fremmer også et forslag om at avgiftene på fossilt drivstoff skal gradvis økes, mens null- og lavutslippsløsninger bør belønnes. Det er å gjøre som klimaministeren sier, men som han ikke gjør, nemlig at vi skal gjøre det som vi vet fungerer. Dette er et forslag som Venstre burde kjent godt igjen, fordi det er et forslag som er direkte hentet fra Venstres landsmøte, men det blir dessverre ikke vedtatt i dag fordi Venstre stemmer imot det.

Dette er ikke en ny politikk, det er initiativ som tidligere har kommet her fra Stortinget, og som til og med er blitt vedtatt her i Stortinget, men som vi ikke kan se at regjeringen har fulgt opp. Derfor fremmer vi det på nytt nå, mer konkret, men nå blir det nedstemt fordi Venstre og Kristelig Folkeparti ser ut til å være fornøyd med det de mener kan være en havvindstrategi – vi synes det er skuffende. Arbeiderpartiet er i dag med på over 40 forslag som vil forsterke klimapolitikken i Norge. De fleste av dem er veldig nær ved å få flertall, men det blir det dessverre ikke. Dette er nok en tapt mulighet for Stortinget for å gjøre gode vedtak. Regjeringen har på mange måter abdisert i klimapolitikken – det er synd – men enda mer skuffende er det at de nå også har fått Venstres og Kristelig Folkepartis velsignelse. I den saken vi i dag diskuterer, har det borgerlige samarbeidsklimaet vært viktigere

Ny teknologi er avgjørende viktig for å få et samfunn med lavere utslipp og mer bærekraftige løsninger. Særlig de siste årene har det vært satset stort på forskning og utvikling innenfor klimateknologi. For en knapp måned siden var jeg så heldig å få være med på å tildele hele fem av åtte forskningssentre for miljøvennlig energi til SINTEF og NTNU i Trondheim. Sentrene er en satsing på forskning innenfor fornybar energi, energieffektivisering, CO2-håndtering og samfunnsvitenskap. tett og langsiktig samarbeid mellom de beste forskningsmiljøer, bedrifter og myndigheter har skapt svært gode resultater som nå videreføres. I tillegg klekkes det ut et utall med gode ideer og løsninger både i høyskole- og forskningsmiljøer og ikke minst ute i bedriftene. For å kunne ta ny teknologi i bruk trenger vi et virkemiddelapparat som kan gå inn og ta risiko og bidra til at teknologiprosjekter blir tatt i bruk. Enova er vårt sentrale virkemiddel for å oppnå våre overordnede målsettinger om reduserte klimagassutslipp, styrket forsyningssikkerhet for energi og utvikling av klima- og miljøteknologi. Enova har stor faglig frihet til å utvikle virkemidler og enkeltprosjekter og skal bidra til varige markedsendringer – en livskraftig forandring. Enova skal få mest mulig igjen i form av kilowattimer og klimagassutslipp for den støtten som blir gitt. Energi- og effekteffektivisering, bidrag til lav- og nullutslippsløsninger, og da særlig innenfor transport, er viktige politiske føringer. Etter at Enova fikk overført Transnovas oppgaver i 2015, opererer Enova i markeder som samlet sett står for 90 pst. av de norske Vi er også svært tydelige på at videre satsing på teknologiutvikling bør rettes mot områder der vi allerede har særlig kompetanse, som i prosessindustri og det maritime området. De senere årene er det innenfor industrien Enova har høstet mest energiresultater per krone. Det store ferjeprosjektet i Hordaland, støtte til ladeinfrastruktur for elbiler samt større innsats i flere store industriprosjekter, som på Karmøy og på Herøya, er eksempler på Enovas bidrag til reduserte utslipp i transportsektoren, miljøvennlig skipsfart, utvikling av lavutslippsteknologi i industrien og en renere prosessindustri viktige norske bidrag til klimagassreduksjoner i ikke-kvotepliktig sektor, som er en del av den felles løsningen med EU, samt tilrettelegging for flere nye og trygge arbeidsplasser. Vi mener også at forbrukernes bidrag til et grønnere samfunn gjennom nettariffen vil gi en forutsigbar og langsiktig styrking av Det utvidede mandatet som særlig fokuserer på reduserte utslipp vil bidra til en bredere portefølje og større muligheter for å bidra i prosjekter også på et lavere utviklingstrinn. Her kan vi f.eks. vise til de gode resultatene som Forskningsrådet/CLIMIT har hatt med Gassnova. Forskning og utvikling er Norges store fortrinn, også i et internasjonalt perspektiv. I Paris-avtalen legges det til grunn at land kan bidra med teknologi til å redusere utslipp i andre land. Som et eksempel vil den norske satsingen på havvind være viktigere for teknologiutvikling enn energiproduksjon her i landet. Med denne meldingen legger vi premisser for at Norge fortsatt skal være en energinasjon. Vi er den største vannkraftprodusenten i Europa, og Europas største vindpark bygges nå på Fosen. I tillegg er vi verdensledende innenfor klimateknologi, og det legges nå rammer for at teknologi for å redusere klimagassutslipp og energibruk i enda større grad skal kunne bli tatt i bruk. Gode økologisk bærekraftige løsninger blir økonomisk levedyktige. Det betyr et grønnere samfunn og flere arbeidsplasser. Det er hva som gir oss en

nasjonen. Det er ikke bare den norske, nasjonale konteksten det dreier seg om. Det internasjonale bakteppet er for dårlig ivaretatt. Jeg tenker spesielt på prosesser i EU, som åpenbart er viktig for Norge i årene som kommer. Det gjelder særlig med tanke på at Norge har en så dominerende andel av fornybar kraftproduksjon, og at vi må fokusere på hvordan vi kan bygge opp dette komparative fortrinnet – for det er nettopp det det er akkurat nå, et ikke fullt ut utnyttet fortrinn. Vi må se på denne fornybare kraftproduksjonen som både verdifull og mulig å utvikle videre. Da må jeg etterlyse hva som er regjeringens politikk når det gjelder andre fornybare kraftkilder. Hva kommer det av at energimeldingen i så liten grad belyser vindkraft, solkraft og hydrogen som framtidige energikilder og energibærere? Hva kommer det av at energimeldingen ikke har prioriterte anvisninger av hvordan et kraftoverskudd kan benyttes for å skape muligheter for verdiskaping og arbeidsplasser i framtiden? Kan energinasjonen Norge si seg fornøyd med at disse områdene er for lite utdypende behandlet i energimeldingen? Jeg synes ikke det. Når det er slik at vi etterlyser politikk på området, hva er det da slags inntrykk som står igjen? Jo, inntrykket er at regjeringen helst vil la markedet regulere. Det er ikke godt nok etter vårt syn, med tanke på at det er vårt felleseie vi snakker om. Som ideologi kan det kanskje fungere, men som politikk er det ikke holdbart. Det er tvert imot vår oppgave som politikere å forvalte dette arvegullet med tydelige politiske rammebetingelser, slik at våre energiressurser utnyttes på best mulig måte i framtiden. Hva vil så Arbeiderpartiet gjøre, er vel posisjonens spørsmål. Svaret er at vi vil klargjøre gode, langsiktige og forutsigbare rammebetingelser som kan bidra til framtidsrettede industrielle investeringer. understreker vi at rammebetingelsene minst må matche tilsvarende industri i EU. Et av tiltakene er at vi må satse mer på industriutvikling basert på fornybar energi. Jeg tror ikke at industrien kommer til å være en brems på dette området. Det som mangler, er konkrete politiske initiativ og rammebetingelser. Investeringslyst og innovative prosesser går bedre når industrien vet hva de skal forholde seg til, og det må også regjeringen akseptere. Et annet hovedtiltak, der vi mener regjeringen ikke oppfyller, er vekslingen fra fossil energibruk til fornybar energi. Uten en tydelig politikk på dette området kan vi tape verdifull tid. Dette er også regjeringens ansvar å ivareta. Fra vår side mangler det ikke på samarbeidsvilje, og muligheten for en bredt forankret nasjonal politikk er definitivt til stede, som det har vært sagt her før i dag. Det krever imidlertid en mer aktiv holdning til tiltak og rammebetingelser som virker. Arbeiderpartiet med flere har også fremmet et konkret forslag – for øvrig ett blant titalls forslag – til mer konkret politikk på energi- og miljøsektoren, der vi ber regjeringen legge fram en sak om en enhetlig tariffmodell. Vi ønsker å oppnå en likeverdig tariff i regionalnettet og sentralnettet for store forbrukere med høy brukstid. Det vil bidra til større forutsigbarhet for alle bedrifter som har høy brukstid knyttet til regionalnettet. Når vi er ute og samtaler med bedriftsledere i industrien,

Det krever politisk vilje, og det håper vi selvsagt at regjeringen etter hvert vil vise også på den fornybare sektoren. Etter å ha hørt representanten Terje Aaslands innlegg her i dag kan jeg ikke annet enn å anta at Arbeiderpartiet er

Først fikk regjeringen kritikk for at det var for lite klima i meldingen, og for mye energi. Så får flertallet etter komitébehandlingen kritikk for at det er for mye klima og transport, og for lite energi. Så gjøres det et veldig stort poeng ut av at flertallspartiene ikke har flere forslag i forbindelse med måltall for lavutslippsbiler – at det er helt utydelig hvordan dette målet skal nås. Arbeiderpartiet, derimot, er med på ett ekstra forslag som omhandler dette og fraviker fra våre, nemlig at man skal øke avgiftene på bensin og diesel.

Men det er altså mulig å bli enig i klimapolitikken uten å måtte forby noe eller øke skatter og avgifter i første sving. Når det er sagt, er flertallspartiene fra før enige om at det alltid skal lønne seg å velge de miljøvennlige alternativene. Det gjelder også bil. Så bør det ikke være veldig overraskende at vi ikke tar opp budsjettspørsmål i energimeldingen. Det er spesielt at Arbeiderpartiet slutter seg til så mange av våre forslag når de åpenbart er så utydelige og dårlige som representanten Aasland gir inntrykk av. På Arbeiderpartiets nettsider kan man lese følgende fra deres pressemelding i forbindelse med energimeldingen: «Det er synd for klimaet at Venstre og KrF velger å støtte regjeringen fremfor å følge egen politikk. De ville fått langt mer til i samarbeid med Arbeiderpartiet, Sp, SV og MDG.» Jeg lever ikke i den villfarelse at Venstre og Kristelig Folkeparti støtter denne regjeringen for enhver pris, Jeg mener derfor at det beste eksemplet på at flertallsforslagene i denne saken faktisk er langt mer offensive enn Arbeiderpartiets, er at Venstre og Kristelig Folkeparti velger å støtte dem. Og selv om det ikke høres slik ut, tror jeg tvert om at også Arbeiderpartiet ser at flere av våre forslag er mer konkrete og ambisiøse enn mange av deres egne. Men jeg begynner å bli vant til at for Arbeiderpartiet er alt svart og mørkt med denne regjeringens politikk, så jeg lar meg ikke overraske over at det er slik også i dag. Det jeg likevel synes er noe underlig, er at Arbeiderpartiet velger å bruke så lite tid på å løfte frem sin egen politikk og heller angriper Kristelig Folkeparti og Venstre for at de faktisk mener at andre har bedre politikk enn Arbeiderpartiet. Men tro det eller ei: Det er faktisk mulig. Regjeringen har hatt svært gode samtaler med Kristelig Folkeparti og Venstre, og jeg skal ikke late som at Venstre og Kristelig Folkeparti ikke trekker oss i en grønnere retning enn hva utgangspunktet var. Det synes jeg er helt fint. Det er nettopp denne dynamikken som gjør at det er på borgerlig side den beste og mest offensive klimapolitikken skapes. Helt til slutt: Jeg er glad for innlegget fra representanten Per Rune Henriksen, for uten det hadde det vært veldig vanskelig å vite hva Arbeiderpartiet faktisk mener om energipolitikken fremover – når det ifølge Terje Aasland fremstår som om de er enig i det aller meste. Transport skal i framtida verta reinare og

Eg meiner me i dag ser vilje frå fleire parti til å verkeleggjera eit skifte i takt og tempo for å følgja opp målsetjinga frå resultatet etter FN sitt klimatoppmøte i Paris i desember 2015. I heile transportsektoren er det knytt utfordringar til skifte av bruksmønster og haldningar for å oppnå endring. Eg er difor glad for at Arbeidarpartiet i klimaforslaget sitt vil ha som å forsterka omlegging av avgiftssystemet til fordel for null- og lågutsleppsbilar, slik at bilar med klimagassutslepp over tid vert fasa ut. Det er grunn til å tru at det er gjennom slike gulrøter at me kan oppnå dei store endringane. Uansett kva for måltal me vedtek her i dag, vil suksessen i høg grad vera avhengig av kor gode verkemidla er. Å bruka avgiftssystem vil difor vera hensiktsmessig. Eg håpar at me i dag gjer vedtak som ikkje viser til at det er marknaden åleine som skal løysa problema. Som eit eksempel kan me visa til at det i dag er mange hybridbilar, men få reine nullutsleppsbilar som berre går på hydrogen. Her er det ein veg å gå både for å få auka distribusjonen av miljødrivstoff, men òg for å få langt fleire bilmerke som kan seljast til dei som vel nullutsleppsbilar. Det er mange grunnar til at energinasjonen Noreg har eit stort fortrinn med vår totale mengde grøn energi, og eg meiner at me med kan vera optimistiske. Men eg synest det er synd at regjeringa og støttepartia ikkje er med på å gje fleirtal for å utgreia ei støtteordning for nullutsleppslastebilar og nullutsleppsbussar, slik at transportørar kunne få dekka heile eller delar av meirkostnadane ved å velja nullutsleppsteknologi. På same måten ville det vore naturleg å følgja opp arbeidet frå Grøn skattekommisjon om å greia ut bruk av fleksibel vegbruksavgift som varierer med geografisk plassering og utsleppsintensitet i drivstoffet. Eg registrerer at Arbeidarpartiet her er langt meir offensive enn fleirtalet. Me må leggja til rette for meir bruk av fornybart drivstoff, som biodrivstoff, ved å auka innblandinga opp mot 40 pst. i transportsektoren. Dette må òg vurderast for mobile kjelder som traktorar og anleggsmaskinar. Den spede begynninga med biodrivstoff i luftfarten har gjeve resultat på Gardermoen, og no kjem andre flyplassar etter. Ein stor flyplass som Los Angeles har òg teke i bruk biodrivstoff. Eg er difor glad for at forslaget frå Arbeidarpartiet om å leggja til rette for utvikling og innføring av fornybart drivstoff innan innanriks luftfart får fleirtal her i dag. Noreg har ein ambisiøs plan for å byggja ut og modernisera jernbanen. Den førre regjeringa starta ei rekke utbetringar. No vert dette følgt opp, og fleire passasjerar reiser og er fornøgde med jernbanen. Mykje har kome på plass, men me må nok erkjenna at Noreg har ein del eldre infrastruktur som må skiftast ut for å korta ned reisetida, men òg for å sikra banetraseane mot ras og Jernbanen kan òg gjera bruk av hydrogen, slik det vert gjort m.a. i Tyskland. Eg meiner at me må leggja til rette for utvikling og innføring av låg- og nullutsleppsteknologi for attverande dieselstrekningar på jernbanen vår. Det er òg grunn til å peika på moglegheitene for å sjå på hydrogenlokomotiv i takt med planane for IC-utbygginga og auken av togtilbodet i åra som kjem. Ampere er ei nullutsleppsferje som har fått mykje merksemd. Her har norske maritime miljø gått i front og skapt nyvinningar. Det burde vera mogleg å få fleire slike ferjer ut på fjordkryssingane våre. Landet vårt har mykje grøn kraft, og me kan bruka ressursar for å skapa eit skifte til meir låg- og nullutslepp. Hamnene våre er i dag viktige knutepunkt for Dei store hamnene med mange skipsanløp har store utslepp av CO2 og NOx. Eg meiner forslaget frå Arbeidarpartiet om å etablera eit samarbeid mellom stat og kommune om utbygging av infrastruktur for landstraum ved alle relevante hamner hadde vore eit stort steg framover for å redusera utslepp i hamnene. Det er håp om at andre parti kan koma etter og gje Arbeidarpartiet fleirtal for eitt av mange gode forslag i denne De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. For en uke siden var jeg i Egersund i Rogaland jeg i Egersund i Rogaland på en større fornybarkonferanse. Egersund er på en måte et bilde på den fornybare optimismen – spesielt innenfor vind. Nye vindparker skal bygges i området. En er i gang med et utdanningstilbud innen vindenergi. Det diskuteres til og med å opprette en fabrikk for produksjon av komponenter til vindmøller. Tilbakemeldingen på energimeldingen fra næringen i Egersund var unison: En var skuffet. Svarene som var lovet, kom ikke – tiltakene uteble. Energimeldingen blottla regjeringa. Høyre og Fremskrittspartiets energipolitikk er å vente og se. En venter på EU og nekter å gå foran. Fra næringen i Egersund var oppfordringen til oss i Arbeiderpartiet: Gi oss noe å stemme på! Arbeiderpartiet har svart. Vår klimapakke med 45 konkrete forslag har satt dagsorden. Og det er veldig tydelig at det var våre forslag, og ikke regjeringas energimelding, som ble utgangspunktet for de borgerlige forhandlingene uten tvil et nederlag for statsrådene her i dag. Skuffelsen i Egersund er mest av alt et uttrykk for den skuffelsen jeg hører fra mange deler av næringen. Det snakkes i store ord, i både Høyre og Fremskrittspartiet, om behovet for omstilling, men de konkrete tiltakene uteblir. Men jeg er ikke overrasket. Mangelen på konkrete tiltak er betegnende for denne regjeringas næringspolitikk. Næringsnøytraliteten får dominere, og Det vitner om en naiv tro på at nye bransjer og ny industri bare vokser fram fra intet. Blir en nå sagt opp på Aker – verftet i Egersund – virker det som om regjeringa tror folk skal dra hjem og på eget initiativ bygge vindmøller i hagen. Utvikling av ny industri – nye arbeidsplasser – skjer ikke av seg selv. Vi må makte å gjenta suksessoppskriften fra vannkraften og fra da vi fant nasjonalt eierskap, tydelige strategier og konkrete tiltak bidro til å bygge nye næringer og skape nye arbeidsplasser. Det samme er det med utviklingen av ny teknologi – den skjer ikke av seg selv. Det er ikke tilfeldig at verdens første elferge går i Norge. Det er ikke markedet som har gjort at Norge har blitt et elbil-mekka. Det er resultatene av ambisiøs politikk, som har virket. Derfor er jeg veldig glad for at Arbeiderpartiet i dag tar de neste skrittene. Vi vil etablere landstrøm i alle større havner – Høyre og Fremskrittspartiet med venner vil bare kartlegge behovet. Vi vil ha en konkret plan for å redusere energibruk i eksisterende bygg – Høyre og Fremskrittspartiet med venner går mot en plan og har mål, men ingen midler. Vi har en langt mer offensiv politikk for elbiler, for infrastruktur, for offshore vind og for solenergi, noe jeg vet de blir glad for i

For første gong på 17 år har det blitt lagt fram ei samla energimelding. Det kan ein trygt seie var på tide, og det måtte altså ei blå-blå regjering til for å klare det. Meldinga handlar om mange viktige tema. I mitt heimfylke, Sogn og Fjordane, er kraftproduksjon og kraftutbygging svært viktig. Det gjev store inntekter, og det skapar viktig Eg er svært glad for at regjeringspartia og samarbeidspartia tidleg i arbeidet med meldinga varsla om at ein gjekk vekk frå å setje ned ei ekspertgruppe som skulle sjå på konsesjonskrafta og konsesjonsavgifta. Konsesjonsordninga har stor økonomisk betyding for mange kommunar i Sogn og Fjordane, og dersom ein ønskjer kraftutbygging og meir kraftproduksjon, må vertskommunane ha ein del av den verdiskapinga som vasskraftutbygginga er opphavet til. Det var også bra at dei borgarlege partia slo fast at dagens konsesjonsordning fungerer etter intensjonen. Det skapar ro og stabilitet, og det er bra. Ei anna sak som også er viktig i mitt heimefylke, er at det skal vere høve til å få konsesjonshandsama kraftutbyggingar i verna vassdrag som skal vere flaumdempande, for å hindre store skadar og tap av verdiar og menneskeliv. I oktober 2014 var det ein stor skadeflaum både i Odda, på Voss og ikkje minst i Flåm i I bygda Flåm blei 13 bustadhus totalskadde. Skadane kjem opp i nærare 250 mill. kr. Det var også svært nære på at flaumen tok menneskeliv. Aurland kommune har ønskt å sikre elva ved overføring av vatn frå Flåmsvassdraget til Aurlandsanlegga. Det har dei ikkje fått høve til så langt, med særleg tilvising til at det er eit verna vassdrag. Det er difor svært gledeleg at det no blir opna for flaumsikrande tiltak også i verna vassdrag. Aurland kommune har dokumentert at det er stor risiko for nye flaumar som kan true liv og helse. Risikoen er også aukande med bakgrunn i klimaendringar og aukande ekstremnedbør. Det er fullt mogleg å gjere utbyggingstiltak som sikrar utsette område. Det er mindre reguleringar, som i svært liten grad går ut over verneverdiane, men som har stor flaumdempande effekt. Det sikringsarbeidet som er utført etter flaumen i 2014, har kosta meir enn 100 og det vil ikkje hindre ein ny stor skadeflaum. Det viser analysar frå Multiconsult og Norconsult. Det er berre flaumdemping som gjev effektive tiltak opp mot 40 pst. reduksjon av flaumstørrelsen. Dersom ein ikkje kan dempe flaumen oppe i vassdraget, vil det krevje dramatiske tiltak, om det er mogleg, for å sikre store verdiar for næringsliv, jernbane og busetnad i Flåm. Med den opninga som det no er semje om, kan og andre utsette vassdrag bli realiserte. Det betyr at ein sikrar framtida for dei som bur i utsette område, og som nyleg har opplevt svært dramatiske

med fleirtal, har Framstegspartiet og denne regjeringa i alle fall klart å levere ei melding som er oversiktleg og svært god. Det er all grunn til å gratulere statsråd Lien med det arbeidet som energimeldinga representerer. Meldinga har vore etterspurd i lang, lang tid. Noreg har ein stolt tradisjon å sjå tilbake på innanfor fornybar energiproduksjon. Vasskrafta har vore med på å leggje grunnlaget for lokalsamfunn, industri og verdiskaping i heile Noreg. Noreg var tidleg ute med å utnytte dei naturlege fortrinna vi har i landet vårt, nemleg fossefall, elver og vassdrag. 99 pst. av all kraftproduksjon i Noreg kjem frå vasskrafta. I verda i 2015

For Møre og Romsdal er det viktig å få på plass ei god forsyningssikkerheit. Her spelar kraftlinja Ørskog–Fardal ei viktig rolle. Ein treng ikkje gå meir enn seks–sju år tilbake før ein hadde utfordringar med kraftsituasjonen i Midt-Noreg i forhold til resten av landet. Fleire bedrifter innan kraftkrevjande industri er lokaliserte nettopp i Midt-Noreg. Eg synest det verkar underleg at dei same partia som ropar høgast om at Noreg må satse meir på fornybar energiproduksjon, energiproduksjon, også er dei partia som er mest motstandarar av utbygging av vassdrag, og nærast skulle sett at dei fleste vassdraga i Noreg hadde blitt verna. Framstegspartiet skulle gjerne sett at ein kunne opne for meir utbygging av småkraftproduksjon, ikkje mindre. Med auka vasskraftproduksjon, med tillegg av vindkraft og gode utanlandsforbindelsar, kan Noreg ta på seg ei rolle som det grøne batteriet for Europa og eksportere fornybar energi til kontinentet som eit berekraftig alternativ til kol og atomkraftverk.

fortsatt. De overordnede prinsippene som ble vedtatt med de Castbergske konsesjonslover allerede i 1909, er prinsipper som i stor grad gjelder for energiforvaltningen den dag i dag. Men jeg mener at konsesjonsordningen nå er satt i spill av dagens regjering for å tilfredsstille kraftselskapene. Regjeringen varsler i stortingsmeldingen at den ønsker å

kraftinntekter. Jeg er glad for at det er en bekymring som hele komiteen stiller seg bak. Komiteen viser til at formålet med konsesjonsordningene er å sikre vertskommunene en andel av verdiskapingen som vannkraftutbyggingen gir opphav til. Vertskommunene bidrar gjennom avståelse av naturressurser til denne verdiskapingen. Det er bra at partiene på Stortinget ikke er på linje med regjeringen og statsråd Lien ved å fastslå at dagens konsesjonsordninger fungerer etter intensjonen, som komiteen sier. Det er viktig at den norske vannkrafttradisjonen videreføres, slik at lokalsamfunn som stiller sine naturressurser til disposisjon for vannkraftproduksjon, får en del av disse inntektene. Men saken er ikke ferdig med dette. Jeg viser til svarbrev av 2. juni 2016 fra statsråd Lien til energi- og miljøkomiteen. Her står det:

Det kan innebære at regjeringen uansett vil sette ordningen med konsesjonskraft og konsesjonsavgifter i spill, noe jeg vil advare sterkt mot, og det synes jeg også komiteen langt på vei gjør. Jeg synes bekymringen blir forsterket når man ikke går inn for forslag nr. 3, fra Arbeiderpartiet m.fl., som sier: «Stortinget ber regjeringen videreføre konsesjonskraftordningen slik den er i dag.» Men det er ikke for seint, voteringen er først i

og dermed økt aktivitet og nye arbeidsplasser i landet vårt. Vi har økt budsjettene til forskning og innovasjon, styrket Enova og fusjonert inn Transnova. Det har gitt en betydelig større muskel for satsing på miljøteknologi og lav- og nullutslippsløsninger i transportsektoren. Eksempel på det er infrastruktur for lading, fyllestasjoner for biler, tilskudd til landstrøm – siste tildeling 82 mill. kr i tilskudd til 13 havner og støtte til utarbeiding av ladeinfrastruktur for ferjer, som f.eks. i underkant av 300 mill. kr nå til Hordaland fylkeskommune. Miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge er flerdoblet i denne perioden. I revidert statsbudsjett for 2016 ble det satt av 65 mill. kr til en ny ordning som skal stimulere til utvikling og bruk av miljøteknologi både i offentlig og privat virksomhet. Innenfor sjøfarten har vi redusert avgiftene med ca. 100 mill. kr, vi har forbedret farledsbevisordningen, etablert en tilskuddsordning for havnesamarbeid og etablert en vrakpantordning for å stimulere til utskiftning av eldre skip og styrke konkurranseevnen til sjøfarten. Dette er bare noe av det som allerede er gjort i transportsektoren i løpet av to–tre år, og vi skal gjøre mer. Energimeldinga, havnestrategien, maritimstrategien og den kommende nærskipsfartstrategien er viktig. Men det aller viktigste styringsdokumentet i samferdselssektoren er Nasjonal transportplan, som skal vedtas våren 2017. Det er der vi legger grunnlaget for tiltak i transportsektoren fram til 2030. Norge har en stolt tradisjon å se tilbake på innenfor fornybar Vannkraften har vært med på å legge grunnlaget for lokalsamfunn, industri, verdiskaping og velferd i hele Norge. En forutsigbar og langsiktig politikk på energifeltet er viktig, ikke bare for energiprodusentene, men også for næringslivet og hver enkelt av oss. En trenger ikke å gå mange år tilbake for å finne store utfordringer med kraftsituasjonen i Midt-Norge i forhold til resten av landet. Flere bedrifter innenfor kraftkrevende industri er lokalisert der, og det er derfor gledelig at Statkraft, TrønderEnergi og Nordic Wind Power har meldt at de går sammen om å bygge Europas største landbaserte vindkraftanlegg på Fosenhalvøya, Hitra og i Snillfjord i Midt-Norge. Om lag 11 mrd. kr skal investeres i seks vindparker på til sammen 1 000 MW, og alle parkene er beregnet å være ferdigstilt i 2020.

innenfor transportsektoren og privatbilismen. Siden det forventes at transportsektoren i framtiden skal stå for en stor del av klimakuttene, er det viktig å ha gode incentiver for å få til en endring fra dagens bensin- og dieseldrevne bilpark til en bilpark basert på fornybar energi. Med økt vann- og vindkraftproduksjon og godt samarbeid med Storbritannia og Tyskland kan Norge ta på seg en rolle som det grønne batteriet for Europa og eksportere fornybar energi til kontinentet. Selv om Norge ikke bruker olje og gass i nevneverdig grad til eget energiforbruk, vil verden fremdeles etterspørre olje og gass i overskuelig framtid, og det vil fremdeles være et bedre alternativ enn atom- og kullkraftverk. Skal energiproduksjon og forbruk først settes inn i en klimasammenheng, mener Fremskrittspartiet at en bør satse på det som faktisk gir mest effekt globalt og helhetlig sett.

Dette gjør at ideer kan tas fra innovasjon til produksjon i Norge, og Kristelig Folkeparti mener etablert industri har gode muligheter til å utvikle, kommersialisere og legge grunnlaget for eksport, noe som danner grunnlag for varige arbeidsplasser og verdiskaping. Kristelig Folkeparti mener Norge befinner seg i et viktig tidsvindu, hvor myndighetene i partnerskap med næringen kan utvikle miljø- og klimateknologi, slik at næringen beholder en ledende posisjon i det internasjonale markedet. Stortinget har alt bedt regjeringa sørge for krav om null- og lavutslipp ved nye fergeanbud og for rutebåter. Det er derfor gledelig at vi tar et nytt steg videre ved at regjeringa får i oppdrag å legge til rette for at supply-fartøy som opererer på norsk sokkel, utvikler og tar i bruk null- og lavutslippsteknologi samt å kartlegge behovet for utbygging og bruk av landstrømtilbud i alle større norske havner. Tilstrekkelig kutt i utslipp av CO2 er lite realistisk uten omfattende fangst og lagring av Mye penger er alt investert i utviklingen av denne teknologien, men det skal også investeres mye framover. I Meld. St. 13 for 2014–2015 ble utvikling av ren produksjonsteknologi i prosessindustri og CO2-håndtering valgt som to av fem prioriterte innsatsområder i klimapolitikken. Men det er to sider her. Vi skal både utvikle teknologien og sørge for at den blir tatt i bruk. Kristelig Folkeparti mener derfor det er viktig med gode rammevilkår og virkemidler for industriaktørene som vurderer fangst og lagring av CO2, og vi er glad for at regjeringen nå får i oppdrag å utrede verdikjeden og finansieringsmodell for akkurat fangst og lagring av

Dagen i dag viser at det finnes gode løsninger i aksen mellom de fire partiene. Men det er altså ikke sånn at Fremskrittspartiet og Høyre har lagt fram en energimelding som vi bare tok for gitt at Venstre og Kristelig Folkeparti kom til å slutte seg til. Nå går det mot neste kamp i regner jeg med at mange har fått med seg. Men det er mange landskamper. Da vi bestemte oss for å innføre elsertifikatsystemet, etablerte vi på mange måter også en landskamp mellom Norge og Sverige hva gjelder vannkraftutbygging. Da den rød-grønne regjeringen var trener på det norske landslaget, lå vi ved pause an til å tape Nesten alle utbygginger som kom innenfor elsertifikatsystemet, kom i Sverige. De påvirket det norske kraftsystemet akkurat likt, vi har jo et norsk-svensk kraftsystem. Men alle utbyggingene, alle arbeidsplassene og all verdiskapning foregikk i Sverige. Vi overførte gigantverdier fra Norge til Sverige. Jeg tror ikke at vi kommer til å klare å vinne den landskampen, men jeg tror i hvert fall at vi skal klare å spille like godt som svenskene på grunn av det nye flertallet i denne sal. Da vi innførte kortere avskrivingstid på bygging av vindkraft, basert på samme flertall som i dag står bak energimeldingen, førte det til at vi fikk langt flere utbygginger i Norge. Vi har i dag hørt nevnt Fosen, som kommer til å bli Europas største vindkraftprosjekt. Vi har hørt om i Finnmark, i nord. Vi har ikke hørt snakk om – i hvert fall ikke fra representanten Tvedt Solberg – vindkraftutbyggingen i Egersund. Alle er besluttet i løpet av få måneder som ligger bak oss, og de vil gi viktige bidrag til økt fornybar energiproduksjon i Norge. Markedet venn, har mange sagt. Det er jo markedet som sørger for at vi klarer å utnytte energiressursene best mulig. Men det markedet må være basert på «level playing field»: Vi spiller etter samme regler alle sammen. Norske datasentre spilte ikke med samme regler

La meg i anstendighetens navn få gi kreditt til statsråd Lien for den delen av meldingen som innebærer muligheten for tidlig avslag i konsesjonsbehandling, for at man innfører en nasjonal ramme for vindkraft, og for at man fra regjeringens side kommer til å begrense forlengelsen av konsesjoner til det jeg vil kalle de dårligste vindkraftprosjektene. Det synes jeg er bra, og det fortjener statsråden kreditt for – så er det sagt. Hvis jeg skal gå videre på det jeg synes er svært kritikkverdig med denne stortingsmeldingen, er det forhold som knytter seg til to statistikker som vi sjelden opplyser om. Det ene er energibruk i Norge per innbygger, for hvis man ser på energibruk i Norge per innbygger, Ser man på BPs statistikk over dette, troner vi på toppen av den statistikken hver eneste gang, sammen med enkelte andre store energiland når det kommer til energibruk per innbygger, som f.eks. Island, som vasser i lava. Poenget mitt med å si dette er at når vi sammenlikner oss med andre land, lar vi være å peke på det faktum at vi sløser mer med energi energi enn noen andre land i verden. Vi er i hvert fall helt der oppe på energibruk. Det har gjort oss rike, men vi har stort potensial for å kutte. Det andre er at når det kommer til fornybarandelen, lar vi være å inkludere offshoresektoren og alt energiforbruket vårt der, og den synden begår også statsråden i denne runden. Det er fordi EU-regelverket anviser én måte å regne ut dette på, og som vi forholder oss til når det gjelder fornybardirektivet, men virkeligheten trenger vi for å se den tabellen, for å fortelle oss selv følgende: At vi er et land som i hovedsak bruker energi produsert av fossile ressurser. Derfor kommer jeg tilbake til det som er kjernen i min kritikk av regjeringen, og der de ikke har levert på det som Stortinget ba om, nemlig: Hvor er planen for utfasing av fossil energi? Hvis man ikke har den planen for utfasing av fossil energi,

da, leder det en til kortsiktige konklusjoner som går ut på: Kanskje vi ikke trenger et sertifikatmarked og en sertifikatordning? Men vi mangler 70–80 TWh i året av fornybar energi hvis vi skal fortrenge det fossile. Og når man ikke har en plan for å utfase den fossile energien, kutter man ut fornybar energi-satsingen, og da fortsetter fossile utslipp å øke, slik det går etter planen til klimaministeren.

Stortingsfleirtalet vil ha ei målsetjing om 10 TWh redusert energibruk i eksisterande bygg samanlikna med nivået i dag. For å nå desse måla er det viktig med gode økonomiske incentiv. Det held ikkje med forbod, slik opposisjonen legg opp til. Einsidig forbod motiverer aldri. Framstegspartiet og regjeringa har fått gjennomslag for skattefrådragsordning for samt at det er gode støtte- og tilskotsordningar gjennom Enova for utfasing av fossil olje som varmekjelde. Eg veit ikkje heilt om det er eit godt parlamentarisk uttrykk, men vi kallar det «å fyra for kråka» når vi lagar varme som ingen brukar. Det er dyrt å fyra for kråka. Difor er det lurt å ha passe temperatur i dei romma vi brukar, men ikkje så lurt å varma opp rom som står tomme. I tillegg treng ikkje alle rom å vera like varme. Om natta er det heller ikkje nødvendig med mykje varme. Vi oppheld oss mykje innandørs i Noreg. Det kan også vera ei av årsakene til at tala for astma, allergiar og luftvegsplager er høge her til lands. Feil innetemperatur er ein av faktorane som fører til dårleg inneklima. Eit godt inneklima kan, i tillegg til å redusera energiforbruket og strømrekninga, også gi helsegevinstar. Debatten har i og for seg vist at energipolitikken er

hva som er svaret videre. Hva er det nye, hva er planen for de neste 10–20 årene når det gjelder utvikling av ny fornybar energi? Det kan ikke være slik at en bare sier «Que sera, sera» – det som skjer, det skjer. En må på en måte ha en eller annen solid tanke om hva som skal være det som det satses videre på når de grønne sertifikatene blir avviklet, og der har ikke regjeringen levert. Havvindstrategien på én side var en skuffelse. Senterpartiet mener at havvind, hydrogen og sol er naturlige teknologiske momentum å satse på i årene framover. Statsråden viste til fotball og landskampen mellom Norge og Sverige. Jeg vil da si at det er noen av oss som gjentatte ganger har bedt treneren om å sette inn noen nye spillere, slik at det hadde gått an

lagt inn som sine egne i innstillingen. Da er det ikke rart det blir enstemmig. Det gjelder XVII, f.eks. Det ligger jo der – det er jo ikke noe rart det er enstemmighet om det – fremmet av samarbeidspartiene som deres eget, men det er, med unntak av ett ord, en avskrift fra et tidligere forslag fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Da synes jeg det er i overkant offensivt å ha et femminuttersinnlegg der en etterlyser strategien fra opposisjonen. Vi vet hva som er strategien fra posisjonen, i så måte

transportsektoren. Arbeiderpartiet har tidligere etterlyst hvordan man skal nå disse, og det er på tre områder man stort sett skal nå dem. Det ene er at man må ha bygd ut en infrastruktur for nullutslippskjøretøy. Da er det jo hydrogen. Nå får man en kraftfull hydrogensatsing hvor man kan få fyllestasjoner allerede fra neste år. Og det handler om å få et nettverk for lading av elbiler. Det er viktig at disse vedtakene gjøres nå, så det er førende inn i arbeidet med Nasjonal transportplan, og ikke minst at det er førende inn mot Enova, den nye avtalen som skal gis der. Så er det, når det gjelder å få til et grønt skatteskifte, å bruke skatter og avgifter, hvor man etterlyser at Kristelig Folkeparti og Venstre skal stemme for det som er et forslag fra Arbeiderpartiet. Men dette er jo allerede vedtatt før. Jeg vil bare minne om det som er vedtatt ved budsjettet for i år. Der har de fire partiene på borgerlig side gått inn for: «Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2017 fremme forslag om et grønt skatteskifte som en del av oppfølgingen av innstillingen fra grønn skattekommisjon. Et slikt skifte skal innebære en økning av avgifter på utslipp av CO2 motsvart av en sektorvis reduksjon av andre skatter og avgifter. Avgifts- og skatteomleggingen skal være av en størrelse som forsterker klimaforliket og gir betydelige reduksjoner i klimautslippene.» Det er altså en mye sterkere formulering enn det som nå ligger i denne saken, og det ville være helt utenkelig for Venstre å gå inn på en svakere formulering enn den vi allerede har vedtatt på borgerlig side. Så det er jo litt av problemet som Arbeiderpartiet har, at man har problem med troverdigheten. For noen av oss husker hvordan det gikk med satsing på biodrivstoff under den rød-grønne regjeringen, og jeg husker også hvordan det var som lokalpolitiker å ønske å satse på hydrogen uten å kunne få støtte fra den rød-grønne regjeringen, og man satset på kollektivtrafikk uten å få støtte for det. Så det er riktig, man må vise ved handling hva man ønsker, og det trenger virkelig også Arbeiderpartiet å gjøre.

for det. Så det er riktig, man må vise ved handling hva man ønsker, og det trenger virkelig også Arbeiderpartiet å gjøre. Den meldingen som vi diskuterer i dag, vitner faktisk om en retning i energipolitikken. Med tanke på debatten som har gått, virker det jo som om retningen som regjeringen legger opp til, er mot – eller rettere sagt for – mindre politisk styring. Og bare så det for så vidt, men om det regjeringen og de samarbeidende partiene ikke vil. Det er jo det som er utfordringen. Det er nærliggende å tro at innstillingen skyldes at regjeringen og støttepartiene Kristelig Folkeparti og Venstre egentlig ikke er enige – de har bare inngått et kompromiss – og slik blir det noen ganger når spriket i syn er for stort. Arbeiderpartiets og de øvrige opposisjonspartienes mange forslag til konkrete tiltak i innstillingen til energimeldingen bør derfor øke beredskapen i regjeringssamarbeidet. Grunnen er at forslagene representerer et ganske massivt uttrykk for meldingens mangler. Dette bør tas på alvor og ikke raljeres med. Det hørte vi også i siste innlegg. Og nå har heldigvis regjeringen mulighet til å ta tak i dette videre, hvis de ønsker å gjøre det, som de for så vidt også gjorde i de forslagene som vi har reist tidligere. dette videre, hvis de ønsker å gjøre det, som de for så vidt også gjorde i de forslagene som vi har reist tidligere. Ja, de kan rett og slett fornye seg. Det gjelder for så vidt også representanten Korsberg, som i stedet for av alle ting å raljere med den rød-grønne regjeringen oppfordres til å bidra positivt til utvikling av gode politiske tiltak innenfor fornybar energi og virkningsfulle klimatiltak.

framfor handlekraft til endring, som Elvestuen så varmt støttet opp under. Den store fornybare kraftproduksjonen har vært grunnlaget for en kraftintensiv industri siden tidlig på 1900-tallet. Et av vårt lands største fortrinn har vært tilgangen på ren energi til konkurransedyktige priser, og det er helt klart med på å styrke norsk industris konkurransekraft. Men norsk industri Men norsk industri lever i en teknologiutvikling som stadig eskalerer, og har hele veien vært i front for å finne nye klimavennlige løsninger. I Norge bygger man opp industrien på naturgitte fortrinn, og da er det helt avgjørende at industrien sikrer oss gode, langsiktige rammebetingelser som matcher tilsvarende rammebetingelser som industrien har i EU. Vi må ha et sterkt overføringsnett for strøm og da er det behov for store investeringer i overføringsnettet, både i transmisjonsnettet og i distribusjonsnettet. For å styrke forsyningssikkerheten vil vi legge til rette for at den teknologiske utviklingen og utviklingen av nye marked bidrar til dette. Utbyggingen av fornybar energi stiller store krav til overføringsnettet i områder og at nettutbyggingen faktisk finansieres over nettleien. Men da er det viktig at elektrisitetsnettet må fordeles så jevnt som mulig, og at en unngår at en uforholdsmessig stor del blir lagt til nettkundene i fornybarområdene. Utjevningen av nettleie vil være en sentral utfordring i energisystemet framover, og i så måte mangler regjeringens innsats for å utjevne nettkostnadene handlekraft. I Arbeiderpartiet etterlyser vi en strategi som bidrar til realiseringen av demonstrasjonsprosjekter for flytende havvind og andre former for havbasert fornybar teknologi. Her kan vi ikke se at regjeringen så langt har fulgt opp Stortingets vedtak, og for å få vind i de seilene ber vi regjeringen nå bidra til å realisere minst én fullskala demonstrasjonspark for flytende havvind i Norge innen 2020. 2020. Her trengs det et betydelig løft, også politisk, for å få Norge til å bli en tydelig aktør innenfor offshore vind. Til slutt: Vi i Arbeiderpartiet la fram 45 forslag til en offensiv klimapakke i februar, mens regjeringens forhandlinger med støttepartiene har endt opp med en langt mindre omfattende klima- og

nybilsalget: Jeg synes ikke denne debatten har vært oppklarende når det gjelder hva regjeringen egentlig mener, om det partiet som nå skal ha ansvaret for å følge dette opp, er det partiet som først kalte dette totalt hinsides – om det er de som bestemmer, eller om det er de som kommer til å si at det kommer til å være null salg av fossilbiler i 2025. Det er den spagaten denne regjeringen står i. Man vet ikke hva man får. Klimaministeren sier han er entusiastisk, partiet Høyre sier det er misvisende, Fremskrittspartiets nestleder kaller det hinsides. Til slutt: Det ble spurt fra Tina Bru hva som er Arbeiderpartiets forslag. er Arbeiderpartiets forslag. Arbeiderpartiets forslag er jo de 45 forslagene vi fremmet i vinter, og så er det de over 45 forslagene som vi nå mange av dem har åpenbart inspirert flertallspartiene, for noen av forslagene har de altså tatt direkte inn i sine egne forslag. Jeg synes det er flott. De må gjerne rappe, de må gjerne rappe alle våre forslag, det er bra om gode forslag blir vedtatt, men da kan man ikke også stå og anklage andre for ikke å fremme sin egen politikk. Så har vi også blitt spurt, om noen av forslagene: Hvorfor fremmer dere dem hvis dere latterliggjør dem så mye? Vel, vi fremmer også noen av de forslagene fordi de er så harmløse at det er umulig å stemme

på mange områder blant alle partiene i denne salen, og på andre områder en bred enighet mellom regjeringspartiene, naturlig nok, men også på høyresiden og mot Arbeiderpartiet. Sånn får det være. Det er naturlig at man fokuserer på det man er uenig i, i en slik debatt, men det er altså sånn at vi er enige om veldig, veldig mye. Noen har pekt på at det var overraskende at jeg og regjeringen er opptatt av markedet. Det burde vel i og for seg ikke overraske noen at at jeg og regjeringen er opptatt av markedet. Det burde vel i og for seg ikke overraske noen at en regjering bestående av Fremskrittspartiet og Høyre er opptatt av markedet. Faktum er at markedet og effektiv prisdannelse har vært et helt sentralt element i utviklingen av det norske kraftsystemet helt siden Eivind Reiten i 1991 endret energiloven i den prisdannelse har vært et helt sentralt element i utviklingen av det norske kraftsystemet helt siden Eivind Reiten i 1991 endret energiloven i den retningen. Det er i ferd med å gå opp for våre venner og kollegaer i Den europeiske union også at måten vi har organisert dette på, med effektive prisdannelser i kraftsystemet vårt, er årsaken til at vi driver et langt mer effektivt og klimavennlig energisystem, noe som også støttes av Det internasjonale energibyrået, hvis vi sammenlikner oss

hydrogenstrategien spiller inn i begge elementene, både transport og industri – men også hvordan vi må legge til rette for krafthandel også i framtiden. Angående havvind har jeg svart til Stortinget hver eneste gang jeg har blitt spurt, at jeg oppfatter at kommersiell produksjon i et markedsbasert system i Norge neppe er noe som vil inntreffe med det aller første. Jeg er likevel glad for at den støtten vi fra myndighetenes side gir til produsenter og leverandørindustrien til havvind, gjør at vi lykkes internasjonalt, og at vi har tatt betydelige markedsandeler i Storbritannia. Så er jeg glad for at representanten Eidsvoll Holmås peker på nasjonal ramme for vindkraft. Det er et grep som vil forenkle både for oss fra myndighetenes side og fra industriens side samtidig som vi ivaretar viktige

innlegget jeg holdt tidligere: Det jeg etterlyste, var ikke klimaforslagene fra Arbeiderpartiet. Det min kritikk handlet om, var at hovedtalspersonen for Arbeiderpartiet i denne saken brukte hele sitt innlegg på å kritisere det flertallspartiene hadde kommet frem til, uten å egentlig adressere hva Arbeiderpartiet ønsket å oppnå i energipolitikken. Det var det jeg etterlyste. Som jeg også sa, var jeg glad for innlegget fra representanten Henriksen, som jeg følte var oppklarende i så måte. Debatten går mot slutten. Jeg vil trekke noen refleksjoner rundt debatten vi har hatt i dag. Sam Eyde, Norges første store industrimann, som tøylet de ville norske fossefallene, åpnet industristedet på Eydehavn i 1913. I den forbindelse sa han etter å ha slått fast at han aldri hadde vært politiker, og håpet aldri å bli det, at «der kan skapes noe også på gamle Norges knauser og knatter. Med god vilje, utholdenhet og tro på sin sak, kan det jevnes ut det som ser vrangt ut.» la oss love i en stund som denne å utjevne småknattene og småknausene i vår folkekarakter og bringe vårt fedreland fremad, smått men målbevisst.» Det er slik at vi har bygget det Norge vi kjenner i dag, smått og målbevisst, litt etter litt. Det gjør at vi i dag står rustet til å ta fatt på den grønne omstillingen med et godt utgangspunkt. Med denne energimeldingen og den forsterkede grønne satsingen fremforhandlet i Stortinget legger vi til rette for at Norge kan nå sine klimamål. Samtidig skal vi fortsette å utvikle norsk industri og teknologi og skape ny industri gjennom å ta i bruk vår fornybare kraft på nye områder. Selv om vi ikke alltid er enig om alle detaljene, er jeg glad for at det er et enstemmig storting som stiller seg bak mange viktige vedtak i kveld. Så ligger det jo i en debatts natur at vi fremhever uenighetene, men som mange her i dag sier, til og med representanten Eidsvoll Holmås, til tross for sin ivrige kritikk på noen områder, Så ligger det jo i en debatts natur at vi fremhever uenighetene, men som mange her i dag sier, til og med representanten Eidsvoll Holmås, til tross for sin ivrige kritikk på noen områder, vedtar vi i dag forslag som er store skritt i riktig retning. Helt til slutt ønsker jeg å takke komiteen for en god debatt. Så regner jeg med at det blir noen flere inntegnede nå helt på tampen, men takk for en god debatt så langt.

Kan klimaministeren fortelle oss når oljefyrforbudet kommer som lovsak, eller kan han i det minste garantere at det blir lagt fram, slik at Stortinget får behandlet det i løpet av denne stortingsperioden? Det andre er til forslag til vedtak III, som vi vedtar her i dag, om at Stortinget ber «regjeringen fastsette et mål om 10 TWh redusert energibruk i eksisterende bygg sammenliknet med dagens nivå». Da jeg spurte statsråden om det i sa statsråden at dette var noe han også ville ta opp med Klima- og miljødepartementet. Men det som er spørsmålet, er: Han har kontroll over Enova, og det er Enova som er det viktigste virkemiddelet for å gjennomføre energieffektivisering i bygg. Kommer det noe mål før 2020 inn i Enova-avtalen? Jeg vil også få takke for en debatt som kanskje til tider har tilslørt det faktum at det er mye det er enighet om, og at dette arbeidet som er

forslaget vil komme i god tid før forbudet skal ha effekt i 2020. Nå er det relativt liten tvil her i salen og ellers i samfunnet om at det kommer, men det er en del teknikaliteter som bearbeides, og forslaget vil altså komme i god tid før det skal tre i kraft i 2020. Så har jeg lyst til å nevne til representanten Aukrust at uklarhetene samarbeidspartienes mål når det gjelder personbilparken i 2025, er bilagt for de aller flestes vedkommende. Hvis den ikke er det for Aukrusts vedkommende, skal jeg nå klargjøre: Det er altså slik at målet er null salg av helt fossile personbiler i 2025, ikke som et forbud, men med virkemidler som skal sørge for at fossilbilsalget stopper 2025. Målet reflekterer klimastrategien i papirene til Nasjonal transportplan, en klimastrategi denne regjeringen tok initiativ til. Klimastrategien baserer seg igjen på klimamålet for 2030, et mål regjeringen foreslo, og som vi foreslo at vi skal nå sammen med EU. Her er det en systematikk. Elvestuen etterlyste systematikk i klimapolitikken. Jeg tror vårt arbeid med og vår forpliktelse til å samspille med EU kommer til å bidra til mer systematikk i klimapolitikken det neste tiåret enn det vi kanskje har hatt det forrige tiåret. Jeg tror Venstre snakker sant og ærlig – og det bør flere merke seg – når de understreker at de oppnår mer utenfor regjering enn det f.eks. SV gjorde i regjering. regjering. Det var vel, så vidt jeg minnes, Arbeiderpartiet de hadde å bryne seg på i

når vi oppsummerer debatten litt, at regjeringspartiene konsekvent henviser til perioden 2005–2013. Veldig mye bra skjedde for landet i den perioden. Men når vi som parti, Arbeiderpartiet, nå former vår politikk, velger vi å ta utgangspunkt i det som er dagens muligheter. Vi prøver å se inn i framtiden og prøver gjennom det å forme de beste forslagene. Jeg oppfordrer regjeringspartiene til også å begynne med det,

hvordan Norge skal bli en betydelig aktør innenfor offshore vindkraft for å bygge opp et hjemmemarked, men først og fremst for å sikre at de fantastiske leverandørvirksomhetene våre får større muligheter. Vi har foreslått at vi vil ha en ny ordning for støtte til fornybar energi for å erstatte dagens ordning med grønne sertifikater, da rettet mot teknologiutvikling, kraftproduksjon og markedsmuligheter for norsk teknologi. teknologi. Det er framsynt, og det er riktig å gjøre det. Vi har vært tydelige på at vi ønsker å øke fondet for klimateknologi under Enova til 100 mrd. kr i 2017 – ytterligere opptrapping fram til 2020. Vi ber om å sørge for at en utnytter handlingsrommet i EØS, nettopp for å understøtte investeringer i ny

Så sier statsråd Helgesen noe viktig: Forurenser betaler-prinsippet må bli langt viktigere i tiden fram til 2025. Jeg er hjertens enig med statsråd Helgesen i akkurat det. Derfor skrev vi inn i vårt forslag om nullutslippsbiler fra 2025 at avgiftssystemet må innrettes slik at målet nås. Da forstår jeg at statsråd Helgesen og undertegnede er enig i oppfattelsen av det.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

Forslagsstillerne viser til at lave lønninger, overtidspress, dårlig sikkerhet og mangler på flere områder preger store deler av vareproduksjonen for verdensmarkedet. Norske forbrukere har liten informasjon og få rettigheter når det gjelder innsyn i og kunnskap om hvordan varen er produsert. Forslagsstillerne mener det bør opprettes en lov om åpenhet og informasjon om hvordan selskapene arbeider med samfunnsansvar og leverandørkjedene, dvs. en lov som pålegger bedriften å svare forbrukerne og organisasjoner om tema knyttet til deres arbeid for å forbedre forhold ved Formålet må være å sikre forbrukerne informasjon om etiske forhold knyttet til produktene. Lovens gyldighetsområde bør være varer som bl.a. tekstil, klær, sko, elektronikk, IKT, møbler, kaffe, te, kakao og leker. Loven bør etter forslagsstillernes syn gjelde alle som har selskaper registrert i Norge, dvs. alle selskaper som importerer varer til Norge og samtidig er en juridisk enhet i Norge. Loven bør etter forslagsstillernes syn håndheves av en klagenemnd. En samlet komité mener at åpenhet er et viktig prinsipp, og kun ved åpenhet vil man kunne avdekke hvordan selskapene produserer sine varer. For å sikre at nasjonale og internasjonale selskaper ikke bryter menneskerettigheter, kan man på den måten etterprøve hva som skjer i kan man på den måten etterprøve hva som skjer i flere ledd av produksjonen, uten at dette betyr at bedriften må oppgi sine bedriftshemmeligheter. Vi som politikere er opptatt av å bidra til økt åpenhet og økt tilgang av informasjon rundt de etiske sidene ved produksjonen av varer og tjenester. Om kravet om etisk informasjon skal ha en reell effekt på produkter og forbrukerne, må åpenhetskravene gjelde for hele produksjonskjeden og ikke bare ett ledd tilbake. Informasjonen må innebære at et minimumskrav er oppfylt. I innstillingen viser en samlet komité til FNs veiledende prinsipper for næringslivet. Der understrekes det at næringslivet har et selvstendig ansvar for å beskytte menneskerettighetene, herunder grunnleggende faglige rettigheter i land de opererer i. Det innebærer at selskapene skal ha etablert egne rutiner for menneskerettigheter der det er risiko for brudd på slike rettigheter. Det er viktig å påpeke at flere merkeordninger stiller krav til bedriftenes etiske retningslinjer, slik som De offisielle miljømerkene som det nordiske Svanemerket og det europeiske EU-Ecolabel stiller også krav til etikk i tillegg til strenge miljøkrav. Dessverre virker det som om produsentene synes det kan være problematisk å offentliggjøre egen leverandørkjede ut ifra konkurransemessige forhold. Miljø- og etikkmerkene behandler denne type konkurransesensitiv informasjon konfidensielt, og de kan derfor være gode virkemidler for produsentene som ønsker å synliggjøre sitt sosiale og miljømessige engasjement uten full åpenhet om hele sin leverandørkjede. Målrettet bruk av miljø- og etikkmerker på varer som klassifiseres som høyrisikoprodukter av Difi, som tekstiler, klær, sko etc., i kombinasjon med kampanjeinformasjon til forbrukerne, vil dekke dette behovet som lovforslaget legger opp til, og da ivareta produsentenes behov for beskyttelse av konkurransesensitiv informasjon. Forbrukerne får informasjon i selve kjøpsøyeblikket og vil velge bort produkter og varer uten merking. Som politiker mener jeg det er viktig å få markedskreftene til å fungere til etikkens og miljøets beste. Norge kan gå foran på mange områder, og innføring av en mulig etikkinformasjonslov er

gå. Arbeiderpartiet er i så måte positive til en utredning som vil muliggjøre de avgrensningene en etikkinformasjonslov eventuelt skal ha. I dag etterspørres etikkinformasjon av mange. Det er et stort engasjement, og de organisasjonene som per i dag jobber for å fremme god etikk i Norge, møter stor pågang fra forbrukere. Utfordringen er at leverandørene i dag ikke har plikt til å oppgi den informasjonen. En kan utvikle en bedrift som tar etiske hensyn, og som gjør gode, bevisste valg. Det er mulig å drive virksomheten godt over tid og ha en fordel av å oppgi etikkinformasjon. Ja, det kan være ekstra lønnsomt – etter bedriftsøkonomiske ideer, til og med – om en har et bevisst forhold til dette. Stormberg er en bedrift som er et eksempel på at man av egen vilje ønsker å gi ut denne typen informasjon. Tiden er moden for å gi fullt innsyn og oss som forbrukere rett til en viss informasjon – både angående selve produksjonen og hvordan de som produsenter jobber med etisk handel, og hvilke krav de stiller til sin leverandørkjede. Dårlige arbeidsforhold bør ikke være et konkurransefortrinn. Lave lønninger, overtidspress, dårlig sikkerhet på arbeidsplassen og mangel på respekt for fagforeningsarbeid preger store deler av vareproduksjonen for verdensmarkedet. Det er

de kan velge mer etisk riktig. De vil ikke være med på å bidra til disse forferdelige arbeidsforholdene. Vi mener vi må ta politiske virkemidler i bruk for å endre på dette. Vi må gjøre det vi kan, og vi tror at en ny etikklov kan gjøre at forbrukerne og myndighetene sammen kan bidra til bedre arbeidsforhold i produksjonsland. Kristelig Folkeparti er veldig glad for at et samlet storting i dag vedtar at regjeringen skal utrede og vurdere å fremme forslag til en lov om åpenhet om produksjonssteder, om etikkinformasjon og om vareproduksjon, til forbrukere og organisasjoner. Vi er selvfølgelig klar over at når alle partiene støtter forslaget om utredning av en lov, så gjør ikke alle det ut en fullstendig overbevisning om at det er en ny etikklov som er det riktige virkemiddelet. Men vi ønsker alle at dette skal vurderes nærmere, og det er det som er viktig i dag – at vi med dette tar ett skritt videre mot det som kanskje blir en ny lov. Noen av oss stemmer for og argumenterer for fordi vi tror på men også vi mener det er behov for en utredning, en klargjøring, avgrensninger osv. Vi har ikke fasiten på hvor mange ledd i produksjonskjeden åpenhetskravet må gjelde for. Vi mener det er behov for kloke vurderinger rundt balansen når det gjelder produsentenes behov for beskyttelse av forretnings- og konkurransesensitiv informasjon overfor sine konkurrenter, for å nevne noen eksempler. eksempler. Også vi som tror på en ny lov, mener det er avgjørende at også andre virkemidler brukes godt. Loven er et supplement til og ikke en erstatning for merkeordninger, internasjonale prosesser osv., men vi mener det er behov for en åpenhets- og informasjonslov ut over de ordningene vi har i dag. Ved en inkurie står Kristelig Folkeparti inne i en merknad i innstillingen som handler om at merking og forbrukerrettet kampanjeinformasjon vil dekke det behovet som lovforslaget legger opp til. Vi mener selvfølgelig ikke dette. Ja, vi mener at merking og frivillig åpenhet og informasjon kan bety veldig mye, men vi mener det er åpenbart at dagens situasjon viser at dette ikke er nok. Vi trenger flere virkemidler. Merkeordningene er alle frivillige elementer og vil ikke kunne fange opp dem i bransjen som ikke vil være åpne eller svare frivillig.

Det var nemlig miljøinformasjonsloven som var avgjørende for at organisasjoner kunne drive forbrukerrettet kampanjeinformasjon i forbindelse med kampen mot palmeolje. Vi mener at en etikklov etter modell av miljøinformasjonsloven kan være et viktig virkemiddel og et skritt på veien mot bedre arbeidsforhold for disse arbeiderne. Norske forbrukere har lite informasjon og få rettigheter når det gjelder innsyn i og kunnskap om hvordan varer er produsert. Slik informasjon og åpenhet etterlyses av stadig flere. Vi mener at en etikklov bør ha til formål å sikre allmennheten tilgang til etikkinformasjon og derved gjøre det lettere for den enkelte å bidra til etisk handel og dermed en styrking av menneske- og Vi peker på en del avklaringsbehov og løsninger i representantforslaget, og vi peker på miljøinformasjonsloven, som vi altså vet har en viktig funksjon. Kristelig Folkeparti er glad for at en samlet familie- og kulturkomité i innstillingen uttrykker at komiteen mener det er behov for flere virkemidler for å sikre norske forbrukere mulighet til å ta informerte valg når de handler. For at markedet og forbrukermakten skal fungere, må forbrukerne vite hva de kjøper, og at de ikke med sin handel bidrar til uetiske produksjonsforhold. Komiteen mener det er behov for en utredning, og at det gjøres gode vurderinger av hvorvidt en slik lov bør innføres eller ikke. Jeg synes at saksordføreren hadde en god presentasjon av forslaget vårt, så jeg egentlig mest noen kommentarer og noen tanker. Jeg synes også Bekkevold redegjorde for forslaget på en veldig god måte. Vi blir forhåpentligvis mer og mer bevisste som kunder og mer og mer opptatt av arbeidsforholdene for dem som produserer varene vi kjøper, enten det gjelder tjenester vi kjøper privat i vårt eget hjem, eller det er varer vi kjøper i butikken som er produsert i et annet land. En mindre verden bidrar til å gi oss informasjon og sette søkelys på arbeidsforholdene for dem som produserer varer og tjenester for oss, og det er veldig bra. Etikkens formål er ifølge Store norske leksikon «å studere hvordan man bør handle». En enstemmig komité stiller seg bak forslaget om å utrede en lov om akkurat dette, om hvordan vi bør handle. Og det gjelder ikke bare klær. Det er lett å la seg friste av billige produkter i butikken, ikke minst billige klær. I tillegg vil mange gjerne ha den siste utgaven av elektronikk, som telefoner og nettbrett. Noen av oss har en forkjærlighet for sko og vesker, mens andre skal ha siste nytt i møbler. Ungene vil ha det meste av leker og spør ikke hvem som har laget dem. Utfordringen er at de fleste av oss kjøper mange nye produkter vi i virkeligheten ikke trenger. Vi har mest lyst på det nyeste eller noe nytt. Særlig om det er billig, er det lett å falle for fristelsen. I forslaget er varene jeg har nevnt, varer som er klassifisert som høyrisikoprodukter av Difi, varegrupper som vi foreslår at loven kan omfatte. I tillegg er det viktig å ha åpenhet om hvordan importerte matprodukter blir produsert. Vi tenker ofte litt for lite på produksjonskjeden når vi kjøper varer og tjenester. At en vare er billig i Norge, betyr gjerne at noen får litt for lite betalt et Jeg tror det er mange av oss som så programmet om klesproduksjon i Bangladesh for noen år siden, om tekstilarbeiderne som fikk et par kroner i timen for å lage klær for vestlige merker, og som jobbet under forhold som ikke akkurat var i henhold til norske HMS-krav. I år har realityserien Sweatshop – dødsbillig mote opprørt mange. Her har ungdommer møtt kambodsjanske tekstilarbeidere og sett hvordan de jobber, bor og lever som syersker i tekstilfabrikkene. Serien har nok gitt mange av oss litt å tenke på og kanskje bidratt til å endre forbruksmønsteret hos noen av oss. En ekstra positiv effekt er at serien har spredd seg til andre land. Det synes jeg er godt jobbet av Aftenposten TV. Men det er ikke godt nok for Senterpartiet kun å fokusere på tekstilarbeiderne, på dem som syr klær. Stoffene klærne er produsert av, er høstet, spunnet og vevd av noen andre. Vi må også sørge for at de som er i andre ledd av kjeden, også har levelige og akseptable arbeidsvilkår, noe vi håper denne utredningen vil være med og bidra til. Det har vært mye fokusering på klær, men like viktig er nok markedet for elektronikk, som jeg nevnte. Å tenke litt igjennom hvor de produktene vi ikke vil ha mer, havner, hvem som destruerer dem, plukker dem fra hverandre, tar ut delene det går an å bruke igjen, og på den måten bidrar til resirkulering, vil også være en del av kjeden – miljøaspektet likeså. Rettferdig handel, eller Fairtrade, er et krevende tema. Det krever mye av oss, og det krever mye av dem som produserer varer og tjenester. For at vi skal kunne bidra til en bedre verden, til mer rettferdig handel, er vi nødt til å ha informasjon om hvordan en vare er produsert. En utredning av en slik lov vil dekke mange spørsmål og problemstillinger og slik sett kunne være et første skritt i riktig retning. Til slutt: Jeg synes det er godt jobbet av organisasjonen Framtiden i våre hender. De har trykket på for at vi skal få utredet en etikklov her i landet. I sin undersøkelse har de vist at over 72 pst. av oss er villig til å betale mer for å sikre at de som lager klær, har akseptable lønns- og arbeidsvilkår. Kun 11 pst. sier at de ikke er villig til det. Jeg minner igjen om at dette handler om mer enn klesproduksjon, men jeg tror vi blir flere og flere som ønsker å være en del av en mer rettferdig verden, flere av oss dermed blir noe mer kritiske til vårt eget forbruk, og mer bevisste på hvor vi henter tjenester, og hvordan produktene vi har kjøpt, er blitt til. At vi behandler dette forslaget i dag, tror jeg vil vekke oppmerksomhet internasjonalt, og en lovutredning vil garantert bli fulgt med skarpe øyne av omverdenen, for hva forbrukerne etterspør, vil påvirke produksjonen.

Slik kan ho eller han betre bruka forbrukarmakta for å seia ifrå og påverka samfunnsutviklinga. For ein open og vel fungerande marknad er tilgangen til rett og fullstendig informasjon ein heilt avgjerande føresetnad. For arbeidarar som arbeider under dårlege arbeidstilhøve, med manglande tryggleik, forbod mot fagrørsle og løn langt under det som kan gje verdige liv,

men trur ein at Adam Smith var ein talsmann for kapitaleigarane, har ein ikkje lese mykje av det han faktisk skreiv. Smith var mistruisk til kva motiv næringsdrivande hadde, og meinte dei hadde ein tendens til å manipulera både det politiske systemet og det rettslege rammeverket til sin fordel, på kostnad av resten av folket. Han etterlyste difor samfunnsinstitusjonar, lover og reglar som ville kanalisera verksemda til næringsdrivande i produktiv og samfunnsnyttig retning. For ein næringspositiv Venstre-mann høyrest Smith nesten konspiratorisk ut når me trekkjer fram desse sidene av arbeidet hans. Men representantforslaget me handsamar i dag, handlar i realiteten om å byggja slik at ein kanaliserer næringsverksemd i produktiv og samfunnsnyttig retning. Samstundes ligg det til grunn at ein vil gje marknadsdeltakarane, forbrukarane, betre kjennskap til relevant informasjon, som igjen er ein føresetnad for god konkurranse. Me gjorde noko av det same i 2003, då Stortinget gjorde vedtak om miljøinformasjonslova. Ho vart lagd fram av regjeringa Bondevik II, og eg trur ikkje eg tek munnen for full når eg seier at Venstre, som deltakar i den regjeringa, var svært oppteke av å få den lova på plass. Miljøinformasjonslova vert prisverdig nok òg lyfta fram av forslagsstillarane som eit godt døme på korleis ei slik lov kan utformast. Ein metode for å sikra gode og opplyste forbrukarval er merkeordningar. Dette vert òg mitt og Venstres innspel til statsråden når ho i dag etter alt å døma vert beden om å greia ut ei etikkinformasjonslov: Vurder òg i den samanheng om ei standardisert merkeordning, særleg for matvarer, kan vera med og gje forbrukarane høve til å gjera vala sine ut frå etiske vurderingar, inkludert berekraft, Avslutningsvis vel eg å nemna at Venstre vart spurt om å vera med som forslagsstillarar til representantforslaget som no ligg føre. Når me valde å stå utanfor, var det ikkje fordi me ikkje kunne stilla oss bak forslaget om å greia ut og vurdera å fremja forslag til ny lov, men fordi me var i tvil om nokre av dei implisitte føringane som forslagsstillarane la i dokumentet. Me er derimot veldig komfortable med forslaget til vedtak, som me tidleg melde støtte til då forslaget kom til Stortinget, og som no ligg an til samrøystes å verta vedteke. Jeg er

Det vil SV ha en slutt på. Derfor vil jeg berømme forslagsstillerne og også komiteen. En etikklov vil gjøre det enklere for forbrukere å velge etiske produkter, og SV lover å være med i kampen helt fram til loven er vedtatt. Mange steder i verden brytes menneskerettighetene hver dag ved produksjon av varer som selges til oss i Norge. Alt fra klær og mobiltelefoner til kaffe, kakao og tobakk kan være produsert i bedrifter der mennesker blir utsatt for helseskader eller utnyttet i slavearbeid eller barnearbeid. Vi skal ikke skru klokken mer enn 100 år tilbake for å finne ufattelig lidelse og død også i vårt eget arbeidsliv. For mange fyrstikkarbeidere på slutten av 1800-tallet var tannverk et første tegn på at kjevebeinet gradvis råtnet vekk. Alvorlig hjerneskade og død kunne til slutt bli prisen å betale for arbeidet med det farlige stoffet gult fosfor. I 1889 demonstrerte de kvinnelige fyrstikkarbeiderne i Kristiania. De organiserte seg, hadde skikkelig streikeledelse og samlet inn til streikekasse. De tapte første slag, men skritt for skritt fikk de innfridd sine krav. Kampen de startet, har gitt oss et Norge i dag med verneombud, fagforeninger og arbeidstilsyn. Nå har kampen mot urimelige arbeidsforhold for lavkostlandenes tekstilarbeidere nådd de vestlige klesmarkedene, for våre liv henger sammen med deres. blodslit henger rundt halsen vår. I nakken på mange av våre klær står det «Made in Bangladesh». Det var 29 vestlige selskap som fikk sine klær produsert i bygningen Rana Plaza, som raste sammen. Når Aftenposten gjennom sin prisverdige serie Sweatshop lar norsk ungdom selv få prøve seg som tekstilarbeidere i Kambodsja, kommer tårene hos de unge, som skjønner hva slags liv fabrikkarbeiderne har. I lavkostland som Kina, Bangladesh og Kambodsja er det, for å si det forsiktig, ikke alltid like enkelt å være fagforeningsaktivist. De fortjener vår støtte. Forbrukerkampanjer har mange ganger ført til endring. Etter press fra forbrukere er det flere kleskjeder som har valgt å åpne opp om hvor de produserer sine klær. Likevel er det langt igjen fra åpenhet til rettferdighet. Vi skal kreve at tekstilarbeiderne skal få bedre forhold, men aller viktigst er det at de har muligheten til og troen på at det

SV har fremmet forslag til Stortinget om at når staten og kommunene kjøper inn varer, skal det stilles krav om at grunnleggende rettigheter er oppfylt. Forbud mot diskriminering, forbud mot de verste formene for barnearbeid, forbud mot tvangsarbeid, og ikke minst retten til å organisere seg og føre kollektive forhandlinger, er viktige internasjonale konvensjoner om arbeidslivsstandarder som de fleste land har akseptert. Hva vil konsekvensen av å stille grunnleggende etiske standarder til varene man kjøper inn, være? – Jo, at det blir en konkurranse på noe mer enn bare pris. Jeg håper at det vil være tilfellet også når man hver for seg skal ta sine valg, men med en kunnskap man kanskje ikke har hatt før. Vi må huske at noen betaler prisen – noen gjør det i dag med liv og helse. Derfor trengs en etikklov, og SV lover å være med i kampen helt

Derfor er det å sikre ansvarlig produksjon og forbruk ett av FNs nylig vedtatte bærekraftsmål, som også Norge er forpliktet av. Å sikre etisk forsvarlige arbeidsvilkår for arbeidere over hele verden er ikke bare en selvfølgelig moralsk forpliktelse, det er også et viktig bidrag til sosial og politisk stabilitet, og det er sterkt koblet til en mer ansvarlig holdning til miljøet. Derfor er det både fornuftig og også i vår egen interesse å sikre disse forholdene. Norske forbrukere får i dag lite informasjon og har få rettigheter til innsyn og kunnskap om hvordan varene vi kjøper, er produsert. Vi kan ha en berettiget mistanke om at buksa vi kjøper til 198 kr, er basert på utbytting av arbeidere, men vi vet ikke sikkert. sikkert. Vi vet heller ikke om nabobuksa til 2 500 kr er produsert på like dårlig måte. Derfor er det et gledelig framskritt at Stortinget i dag ber regjeringen utrede en etikkinformasjonslov og vurdere å foreslå en slik lov. I en spørreundersøkelse som flere allerede har referert til fra talerstolen her, svarer over 70 pst. av de spurte at de er villige til å betale mer for å sikre akseptable lønns- og arbeidsforhold hos produsentene. Denne utviklingen er en seier for forbrukermakten, ansvarlige norske bedrifter og solidariske arbeidstakere, som har presset på for økt åpenhet om hvordan varer blir produsert. Organisasjoner som Framtiden i våre hender, Regnskogfondet, WWF og andre har på forskjellige måter bidratt til oppmerksomhet om hvordan klesproduksjonen foregår, hvordan tømmerproduksjonen foregår, naturprodukter, dyreprodukter osv. leveres til oss. Alt dette bidrar i en riktig utvikling. Initiativ for etisk handel støtter intensjonen om en etikkinformasjonslov, og en rekke bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter ønsker lovkrav om åpenhet om forhold for arbeidere som produserer varer som importeres til Norge. samt arbeidsgiverorganisasjoner som Virke, NHO Handel og KS er enig med LO, YS, Delta, Parat og Fellesforbundet på fagforeningssiden. De Grønne regner derfor med at regjeringen vil reagere raskt og komme tilbake til Stortinget med en utredning og forhåpentligvis et konkret lovforslag. En etikkinformasjonslov må ha som mål å øke åpenheten om arbeidsforholdene i produksjonsbedrifter og bidra til tiltak I dag er det bedriftene selv som bestemmer hvor mye informasjon de ønsker å dele med oss forbrukere. Noen deler mye, andre lite, men like krav om åpenhet gir forbrukerne makt til å premiere de gode og straffe de dårlige importørene og produsentene. Når man kjøper en T-skjorte, bør klesmerket ved lov være pålagt å gi informasjon om arbeidsvilkår i produksjonsbedriften. For forbrukeren blir det da lettere å gjøre valg som er etisk riktige for henne selv, samtidig som hun bidrar til bedre arbeiderrettigheter i produsentlandene. Informasjon om produkter og arbeidsforhold som kan etterprøves, gir importøren økt interesse av bedre produksjonsforhold hos leverandørene sine. En slik lov vil gi konkurransefordeler for bedrifter som selger varer som er produsert på ansvarlig vis. En etikkinformasjonslov bør gjelde alle virksomheter i Norge, også de som ikke bare selger forbruksvarer, men f.eks. innsatsfaktorer til industri. Til slutt vil jeg takke Kristelig Folkeparti og Senterpartiet for godt samarbeid om et godt og viktig forslag. En samlet familie- og kulturkomite stiller seg bak å utrede lovkravet om åpenhet for arbeidere som produserer varer som importeres til Norge. Vi ser fram til at

Som forbrukerminister deler jeg oppfatningen til komiteen om at forbrukerne skal ha en reell mulighet til å ta informerte valg når de handler. Tilgang på informasjon om miljø- og arbeidsforhold i leverandørkjedene vil gi forbrukerne bedre mulighet til å ta valg ut fra egne preferanser. Vi har sett eksempler på at forbrukerkrav kan presse selskaper til å være mer åpne Det er likevel uklart om det å gjøre slik informasjon tilgjengelig for norske forbrukere i seg selv vil bidra til bedre produksjonsforhold i andre deler av verden, slik forslagsstillerne synes å mene. Til tross for at sju av ti forbrukere oppgir at de vil betale mer for å sikre rettferdige kjøp, viser det seg gjerne at man ikke like lett følger opp dette i de daglige kjøpsvalgene.

Likevel vil jeg påpeke at hovedutfordringen, slik jeg ser det, ikke først og fremst er tilgangen til forbrukerrettet informasjon. Problemet er at for få forbrukere aktivt etterspør denne informasjonen der de handler. Slik det er i dag, er de største norske selskapene allerede forpliktet gjennom regnskapsloven § 3-3 c til å publisere årlige rapporter om eget arbeid med samfunnsansvar. Utover dette står næringsdrivende fritt til å synliggjøre sitt eget arbeid med dette og bidra til at forbrukerne kan gjøre informerte valg. Jeg oppfatter at mange næringsdrivende allerede er opptatt av dette. De deler gjerne informasjon om produksjonssteder og arbeidet sitt med samfunnsansvar og miljø med forbrukere og andre interessenter. Initiativ for etisk handel har her en viktig rolle. Dette er et flerpartssamarbeid for næringslivet som skal fremme systematisk arbeid med samfunnsansvar i leverandørkjeden. De 160 medlemmene fra norsk næringsliv og offentlige etater forplikter seg både til å arbeide med samfunnsansvar i egen leverandørkjede og til å gjøre årlige rapporter om dette arbeidet tilgjengelig på organisasjonens nettsider. I mange bransjer konkurrerer selskaper om å kapre stadig mer bevisste og samfunnsengasjerte kunder. Bruk av merkeordninger, åpenhet om leverandører og et grundig arbeid med samfunnsansvar i egen leverandørkjede gir konkurransefortrinn i kampen om de kundene som er opptatt av etikk- og miljøspørsmål. Det er flere merkeordninger som gir etterprøvbar, forbrukerrettet informasjon om forhold i leverandørkjeder. Miljømerket Svanen er kanskje det best kjente offisielle merket som gir Stadig flere virksomheter ser verdien av å benytte Svanen til å informere om at det er stilt strenge krav til produksjonen av sine varer. Det er viktig å oppfordre alle næringsdrivende til både å ivareta og synliggjøre sitt arbeid for etikk i leverandørkjeder. I oktober 2015 lanserte regjeringen en handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter. Her retter vi klare forventninger til næringslivet om å vise aktsomhet og kartlegge risiko knyttet til menneske- og arbeidstakerrettigheter hos egne leverandører. Handlingsplanen tydeliggjør regjeringens forventninger til hvordan næringsdrivende kan ivareta samfunnsansvar i sine leverandørkjeder. Når Stortinget nå ber regjeringen om å utrede en lov om etikkinformasjon, vil jeg gå i gang med det arbeidet så snart som mulig, og holde Stortinget orientert på egnet måte. Jeg vil understreke at regjeringen ønsker å forenkle regelverk og rapporteringskrav for næringslivet. Det vil være viktig at utredningen svarer på om ny lovgivning er veien å gå på dette området. Det er også klart at en etikkinformasjonslov bl.a. vil måtte vurderes opp mot handelspolitiske og konkurransemessige hensyn og forpliktelser. Det blir replikkordskifte. I mitt innlegg pekte jeg på at nettopp erfaringen fra palmeoljekampanjen er et godt eksempel på at etikkloven trengs. Det var nemlig miljøinformasjonsloven som var avgjørende for

av miljøinformasjonsloven kan være et viktig virkemiddel og et skritt på veien for å kunne legge til rette for mer etisk handel, og ikke minst sånn sett bedre de forferdelige arbeidsforholdene som mange arbeider under. Er statsråden enig i det? Er det et spor hun vil

komplisert. Spørsmålet er da om en etikklov vil være et egnet virkemiddel for å oppnå dette. Jeg tror det er viktig det arbeidet som næringslivet gjør allerede i dag, og at forbrukere er opptatt av å etterspørre. Det vil være med på å få fram flere opplysninger om hvor varene er produsert, og hvilke forhold de har blitt produsert

Jeg vil aller først takke statsråd Horne for at regjeringen har utarbeidet denne familiemeldingen og dermed gitt Stortinget en anledning til å drøfte familiepolitikken. Som saksordfører vil jeg raskt gjøre rede for innstillingen før jeg bruker resten av tiden på Kristelig Folkepartis familiepolitikk. En samlet komité viser til at familien er en grunnleggende enhet i samfunnet. Familien er det første og for mange det viktigste av alle fellesskapene man gjennom livet blir en del av. Vi understreker samtidig at for mange oppleves ikke familien som et nært, omsorgsfullt og trygt sted. Når barn utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt, skal samfunnet og myndighetene gripe inn for å sikre barnet en trygg oppvekst. Komiteen understreker at barns rett til en god oppvekst er grunnleggende. Alle barn har egne rettigheter, og foreldre har et ansvar for å ta vare på sine barn og sørge for en trygg oppvekst. Komiteen påpeker at aksept og respekt for ulike familie- og samlivsformer har økt de siste årene. Familiemønstre og samlivsformer endrer seg. Komiteen vil sikre at gutter og jenter skal ha like muligheter i praksis. Vi i Kristelig Folkeparti er glad for at regjeringen vil følge opp tiltakene fra likestillingsmeldingen, og regner med at det innbefatter alle Stortingets vedtak i den forbindelse. Komiteen viser til at mange frivillige og ideelle organisasjoner gjør et godt og viktig arbeid for å støtte opp under familiene. Komiteen skriver i innstillingen en god del om familieverntjenesten, for Stortinget har bedt om å få til behandling en helhetlig sak om familieverntilbudet. Vi mener det er viktig at Stortinget som lovgivende og bevilgende myndighet får en oversikt over og anledning til en helhetlig gjennomgang, også av familievernets dimensjonering, i tillegg til oppgaver og økonomi. Når det gjelder de ulike økonomiske ordninger og tjenestetilbudet til barnefamiliene, understrekes det at barnefamilier i gjennomsnitt har vesentlig høyere utgifter enn familier uten barn, og at det er en god samfunnsinvestering å satse på barn og familier. Komiteen viser til det offentlige utvalget som vurderer treffsikkerheten i de økonomiske overføringene til barnefamiliene, og går derfor ikke nærmere inn på disse. Over til Kristelig Folkepartis familiepolitikk: Hvorfor er familiepolitikken så viktig? Kristelig Folkeparti har denne våren fremmet vårt representantforslag som gir en helhetlig framstilling av vår familiepolitikk, verdigrunnlaget for

og vi mener gode rammer for familiene er blant de viktigste virkemidlene for å oppnå dette. Familiepolitikken kan også bidra sosialt utjevnende og bidra til mer likestilling. Men hovedformålet er trygg oppvekst og sterke familier. Det er viktig for Kristelig Folkeparti å advare mot en familiepolitikk som er utformet først og fremst for å sikre deltagelse i arbeidslivet. Vi er enig i at høy deltagelse i arbeidslivet er viktig, men familiepolitikken handler først og fremst om barnas behov og familienes behov. God familiepolitikk legger til rette for at vi kan føde barn i Norge og sikre barn en trygg oppvekst. Den støtter opp rundt familiene og sikrer at begge foreldrene kan kombinere familie og arbeidsliv, dersom de ønsker det. Kristelig Folkeparti vil at foreldrene skal få mer tid sammen med barna sine, ikke mindre. Det er et viktig premiss for familiepolitikken at familier er forskjellige

Helt avslutningsvis vil jeg peke på de gode merknadene i innstillingen om familievernet og om hvordan Stortinget ser for seg den videre utviklingen for familievernets del og for familievernets viktige samarbeidspartnere, herunder Alternativ til vold, som tilbyr en spesialisttjeneste som supplerer familievernets tilbud. Jeg vil i et senere innlegg forklare hvilke forslag vi kommer til å stemme for, men jeg tar opp det forslaget som Kristelig Folkeparti har fremmet i innstillingen.

Og der mange av oss nå hadde forventet en melding om familienes hverdagsutfordringer, fikk vi en melding om familier med spesielle behov, og en melding som i stor grad handler om familievernet. Det er vel og bra, men det er langt fra det vi hadde forventet oss, eller det norske familier nå trenger. Hverdagsutfordringene til familier flest er helt glemt i denne meldingen. Den har ingen tiltak for å gi familiene mer fleksibilitet, mer tid, ingen løsninger på tidsklemma og ingenting som kan gjøre familiene mer likestilte og dermed valgfriheten mer reell. Meldingen og regjeringen har åpenbart også et svært snevert syn på hva familiepolitikk er, og det er helt åpenbart koblet fra likestillingspolitikken og den brede, generelle velferdspolitikken. Debatten om tidsklemma handler ofte om en svært meningsfull hverdag med henting, bringing, aktiviteter og press på familietiden, som de fleste familier kjenner på i hverdagen. Politiske tiltak kan selvsagt aldri alene løse tidsklemma, og vi politikere kan ikke sørge for at en stresset pappa husker å putte datterens regnbukse i sekken, eller at en travel mor faktisk rekker den fotballkampen, for det er selvsagt et personlig ansvar å få hverdagen til å gå opp. Men det er behov for politiske tiltak som kan gi barnefamiliene mer tid sammen, større trygghet i hverdagen, samtidig som arbeidslinjen og likestillingen styrkes. Arbeiderpartiets familieutvalg foreslo tidligere i vår flere konkrete løsninger for å møte de utfordringene familier flest kjenner på, slik at flest mulig skal oppleve reell frihet til å kunne ha barn og samtidig jobbe eller studere. Vi vil ha økt fedrekvote. Vi diskuterer gratis barnehage, utvidede åpningstider og en satsing på en bedre og billigere SFO. Det er på tide å tenke nytt om småbarnsfasen. I denne perioden kan f.eks. bare det å ha en halvtime ekstra rundt middagsbordet, litt mindre stress med henting i barnehagen eller litt mer tid til frokosten bety mye for en familie. Også den typen tiltak er helt fraværende i meldingen – dessverre. Friheten til det å være familie må i større grad framover også inkludere dem som ønsker å være familie på en annen måte enn den klassiske kjernefamilien, for dagens familier er mye mer mangfoldige enn tidligere. Ektepar med og uten barn, samboere med og uten barn, LHBT-personer med og uten barn, aleneforeldre, samværsforeldre, fosterforeldre, enslige og vennefamilien er eksempler på det mangfoldet av familieformer vi har i dag – uten at meldingen tar dette inn over seg. Mange av de velferdsordninger og rammer som storsamfunnet legger rundt familiene, tar ikke dette nye mangfoldet inn over seg og imøtekommer ikke dette mangfoldets behov.

Også her svikter regjeringen fullstendig gjennom å ha svekket de ordningene som beviselig har gjort det mulig å kombinere arbeidsliv og familieliv, som pappakvoten, tiltak mot deltid og en godt balansert arbeidsmiljølov. Omsorgsfamilier og familier som strever, må oppleve at fellesskapet stiller opp for dem, enten det er helsestasjonen, skolehelsetjenesten, Familiens hus, familievernkontoret, barnehagen, skolen eller arbeidslivet. Fellesskapet skal sammen styrke og utvikle ordningene som hjelper disse familiene til å mestre hverdagen. Men en regjering som har ambisjoner om en god familiepolitikk, kan ikke gi seg der. Den må også være opptatt av de brede velferdsordningene, mangfoldet av familier, tidsklemma, studenters utfordringer, omsorgsfamiliene og likestillingen. Denne regjeringen gjør dessverre ikke det. Det

lykka.» Leo Tolstoj sier i starten på Anna Karenina: «Alle lykkelige familier ligner hverandre, hver ulykkelige familie er ulykkelig på sin egen måte.» Nils-Fredrik Nielsen legger i Tristesser i utvalg mer lakonisk til: «Uten familien hadde han aldri klart å være så mye hjemmefra.» En ting er sikkert: Familien berører oss og irriterer oss. Familien støtter, men skaper også traumer. Familier bygges på kjærlighet, men noen bygges på hat. Familien er for noen det største, for andre noe de helst ville vært foruten. Dette er den første familiemeldingen siden Bondevik II-regjeringen la frem sin. Mye har skjedd i årene som har gått. Familiene har blitt mer mangfoldige og til en viss grad mer åpne. Malen som jeg vokste opp med, med mamma, pappa og to barn, gjerne en jente og en gutt, er blitt utvidet med medmødre og -fedre. Det er blitt fosterforeldre og adoptivforeldre. Besteforeldre lever lenger, og vi får barn senere, så besteforeldre blir mer inkludert i familien. Barn opplever også ofte at familiebegrepet utvides etter at foreldrene går fra hverandre. Familiene har blitt mer digitale. Det gir muligheter, men også utfordringer. At barn har egne rettigheter og ikke bare er en del av familien, har også blitt forsterket på disse årene. Avveiningene rundt dette ser en klart i den sterke debatten vi har rundt barnevernet, og i det offentlige ordskiftet om oppdragelsesmetoder. Det har altså skjedd mye de siste årene siden siste melding, og meldingen som nå er fremlagt, speiler dette. Meldingen er kunnskapsbasert og bygger på forskning og erfaring fra mange samfunnssektorer. Samlet gir dette retningen til den fremtidige politikken. Samtidig er meldingen et verdidokument, som løfter regjeringens, og dette partiets, syn på familien som grunnleggende enhet og byggestein i samfunnet vårt. Tittelen Familien – ansvar, frihet og valgmuligheter viser til de verdiene som bør være grunnsteinen i familiepolitikken. Noen av hovedpunktene i meldingen er at familiene tar de beste valgene selv at familierettede ordninger skal være fleksible og gi valgfrihet at familier som strever, skal få riktig hjelp til rett tid at forebygging av konflikter og dårlig helse er viktig og samfunnsøkonomisk riktig at trygge foreldre som mestrer egne liv, gir trygge barn deltakelse i arbeidslivet gir gode rammer rundt familiers liv Informasjonsteknologien løftes frem som viktig for familielivet og familiers hverdag. Meldingen drøfter muligheter og ulemper ved teknologien og peker på behovet for økt foreldrekompetanse i å snakke med barn og unge om utfordringene, som f.eks. mobbing og vold på nett. Dette er tema som ikke var høyaktuelle da siste melding ble laget, Meldingen tar ikke bare opp spørsmål rundt de første småbarnsårene, men drøfter også utfordringene for storbarnsforeldre og barn og voksne med funksjonsnedsettelser. For første gang er også besteforeldre omtalt i en stortingsmelding om familier. Familiepolitikken skal være med på å bygge fundamentet slik at hjemmets fire vegger står støtt, men det er allikevel viktig at husets fire vegger ikke blir så ugjennomtrengelige at vi ikke ser når noen har det vondt. Vold i nære relasjoner gjør det trygge utrygt, og det er viktig at de som ønsker hjelp, raskt får det, men også at man på de møtepunktene samfunnet har med voksne og barn, på helsestasjoner, i barnehager, på skoler, hos Nav eller andre steder, er lydhøre, tør å spørre og ikke er redde for å gripe inn. En barndom med foreldre som ikke makter å ta vare på barn, er vond der og da, men skaper også ringvirkninger til neste generasjon. Meldingen tar opp dette temaet og sammenstiller alle tiltak som er satt inn for å nå voksne og barn i denne situasjonen. Det har skjedd store endringer i barns posisjon i samfunnet. Fra å skulle ses, men ikke høres, regnes barn nå som individer med egne rettigheter, i tråd med FNs barnekonvensjon. Det er viktig at barn høres og medvirker i saker som angår dem. Dette er et viktig og gjennomgripende perspektiv i meldingen.

Utvikling, relasjonsbygging, tryggleikstenking, kjærleik og omsorg finn ein i dei fleste familiar, men av ulik grad og tyngd. Mykje har hendt med familien sidan siste stortingsmelding om familiar. For å gripa endå lenger tilbake i historia har eg som mor lyst til å seia at eg har hatt gleda av å ha fødd barn både på 1970-, 1980- og 1990-talet, og ein bør jo berre nemna foreldrepermisjonen, som har auka monaleg over mange år. Fleire kvinner er i fullt arbeid, og dei tek meir utdanning. Yrke der det for det meste var menn, har no blitt snudd opp ned og fått fleire kvinner. Moglegheitene til å klara seg sjølv som sjølvstendig individ og familie er mange fleire i dag. Sambuarskap, som omtrent ikkje var kjent fram til 1980-talet, er no nesten det mest vanlege. Besteforeldregenerasjonen er i meir aktivitet enn før, og dei fleste arbeider når dei blir besteforeldre, både kvinner og menn. når dei blir besteforeldre, både kvinner og menn. Dei eldre lever lenger og er meir friske. Samstundes må ein sjå at det finst fleire utfordringar. Fleire bur aleine, og einsemd er et aukande samfunnsproblem. Samstundes som vi bur i eit godt land, har vi fleire som treng helsetenester, og fleire som treng råd og bistand på ulike område. Fleire familiar blir oppløyste, og talet på konfliktar ved samlivsbrot er aukande.

Fleksibilitet og valfridom for den enkelte familien er viktig. Sjølv om regjeringa sikrar og støttar opp om familien på fleire område, er det òg område ein må arbeida endå meir med. Inntektssikringsordningane må vera gode, og ein må styrkja arbeidet mot barnefattigdom endå meir. Så langt har regjeringa gitt dette området eit løft ved både å ha lagt fram ein fattigdomsstrategi og jamleg å fokusera mykje på området. Vald og seksuelle overgrep er eit anna trugsmål mot familiane, aukinga av dette er alvorleg. Både barn, unge og eldre er utsette for vald i nære relasjonar, og fleire stortingsmeldingar tar opp dette. Regjeringa følgjer opp dette med mange tiltak. Førebygging i kommunane må ein fokusera meir på, og ein opptrappingsplan er på gang – og det er vi svært glade for. Teknologien har også blitt ein del av kvardagen til familien. Dette er både på godt og på vondt. Vi snakkar kanskje mindre med kvarandre fysisk, men vi sender meldingar og Samstundes er det ein stor informasjonsflyt som kan bidra til å betre informasjonen til familiane. Oppdateringar av og moglegheiter for kva ein kan gjera ved utfordringar og problem, er lettare å få kunnskap om. Det er bra. Frivillig arbeid er viktig for familien, og må få eit endå betre fokus framover. Familieverntenesta er også eit område som regjeringa har satsa stort på, med auka midlar og stillingar. Dette er eit viktig område som bør utviklast endå meir innan førebygging, på tvers av ulike tenester. Å hjelpa familiar til å bli gode og trygge er eit viktig arbeid. Eg vil spesielt framheva at regjeringa vil etablera ei nettbasert, interaktiv, lett tilgjengeleg og kunnskapsbasert rådgivingsteneste for foreldre, slik at ein i størst mogleg grad kan meistra sin eigen familiesituasjon. Det er viktig at foreldre er likeverdige omsorgspersonar både under samlivet og etter eit samlivsbrot, der barnets beste alltid skal vera overordna. Vi treng meir forsking ut frå barnets perspektiv på familiar ved samlivsbrot, delt bustad og flytting. Regjeringa er opptatt av familiane og deira ståstad i samfunnet til kvar tid. Framstegspartiet er svært glad for dette, eit parti som alltid har eit stort hjarte for familiens ve og vel.

opptreden. Jeg vil si at det er litt rart at ikke egne forslag følges opp med forslag til vedtak når en har gitt inntrykk av at dette er noe en vil ordne opp i. Dette er den første stortingsmeldinga om familiepolitikken siden 2003, og det er et viktig tema. Senterpartiet er en varm forsvarer av en familie med ulikt innhold som grunnleggende enhet og byggestein i samfunnet vårt. Tittelen i stortingsmeldinga – ansvar, frihet og valgmuligheter – viser bare noen av de verdier som bør være grunnsteinen i familiepolitikken. Fellesskap som bistår hverandre, rask hjelp er dobbelt hjelp og systematisk blikk fra det offentlige for å bedre liv og bistå dem som sliter, er også viktige setninger for Senterpartiet. Meldinga har mye informasjon, men en svak analyse av hvordan ulike økonomiske systemer fremmer eller svekker fellesskapet i familien eller fellesskap mellom folk. Stortingsmeldinga er svak i å vise retning og har få konkrete tiltak. Komiteen har gjort en etter min vurdering svak jobb. Regjeringas likestillingsmelding var også rimelig innholdsløs, men komiteen gjorde der et stort arbeid og fikk retning. For barnehagemeldinga tok også komiteen affære, fremmet sentrale forslag, fikk ny retning, mens det for den familiepolitiske meldinga sies lite om konkrete, bindende tiltak. Hvorfor kommer en med en stortingsmelding når en ikke har et innhold med mening om økonomiske ordninger? Alle etablerte ordninger er i spill, ingen retning angis, regjeringa gir dem bare omtale. Senterpartiet har derfor sett seg nødt til å fremme løse forslag for å be regjeringa komme tilbake til Stortinget på viktige delområder innen familiepolitikken. Jeg fremmer derfor på vegne av Senterpartiet våre forslag 2–9 samt 16–18, som er en videreutvikling, bl.a., av Kristelig Folkepartis forslag i representantforslaget som de ikke fremmer. Senterpartiet støtter ikke forslag 1 i innstillinga. Vi støtter forslagene 11, 12, 13 og 15 fra SV. Vi støtter ikke SVs forslag 10 og 14. Senterpartiet støtter ikke forslag 1 i innstillinga. Vi støtter forslagene 11, 12, 13 og 15 fra SV. Vi støtter ikke SVs forslag 10 og 14. Senterpartiets forslag omfatter mange temaer. Det gjelder barnetrygden, som nå blir angrepet fra flere partier. Etter Senterpartiets vurdering må den sikres som en universell ordning, uten skattlegging og behovsprøving. Det gjelder kontantstøtten, som må videreutvikles og realverdiene må sikres. Det omhandler fedrekvoten ved fødselspermisjon, som Senterpartiet mener må gjeninnføres til og det å ha nok kapasitet. Vi fremmer forslag om at Stortinget får drøftet utviklingen i familievernet i en egen sak. Engangsstønaden er en ordning som Senterpartiet vil utvikle. Forskjellen på økonomiske ordninger for fødende kvinner som har arbeidstilknytning og ikke har arbeidstilknytning ved fødsel er stor, og engangsstønaden er også viktig for studenter. At en familiemelding ikke er tydelig på utfordringene i barsel- og fødetilbudet er oppsiktsvekkende. oppsiktsvekkende. Det er saker i media omtrent hver uke om kapasitet og kvalitet i fødetilbudet. Jordmortilbudet i kommunen er ikke styrket i takt med kortere liggetid på fødeavdelingene. Nye fødetilbud bygges nå med tanke på at fødende kvinner skal ligge seks timer – ikke dager – på sjukehus etter fødsel. Da må jordmortilbudet i kommunene styrkes. Også gravide kvinner må få et reelt reelt tilbud om å gå til jordmor i svangerskapet. Nå lønner det seg for kommunene å sende gravide til lege, for da betaler staten. Her må en gå gjennom ordningene for å stimulere til at kommunene styrker jordmortjenesten. Senterpartiet har forslag om familievikar og vil vise til debatten i forrige uke, da Stortinget behandlet saken om tiltak for flerlingfamilier. Senterpartiet varslet da at vi ville komme til å ta opp forslag om dette i familiemeldinga. Vi foreslår ikke at det skal være en lovfestet rett, men at det skal bli en ordning i alle kommuner for familier med særlige og akutte omsorgsbehov. Hege Ulstein i Dagsavisen hadde en prisverdig artikkel som gikk inn på det under tittelen Familieutflukten, hvor hun bl.a. sa at det finnes et tiltak som kunne hjulpet dem, nemlig en familievikar som på kort varsel kan steppe inn når det oppstår en krise. Som tidligere nevnt har Senterpartiet tatt opp igjen tre av Kristelig Folkepartis forslag, delvis like, delvis noe videreført. videreført. Det er viktig for oss at vi også tilrettelegger for bedre ordninger for studenter som får barn ved at vi får god tilrettelegging og bedre stønadsordning. Det er viktig for oss for å sikre at den økonomiske situasjonen for foreldrene i barnets første leveår er mer lik enn det vi har i dag. Familiens styrke erfarer vi når det røyner på for noen, derfor er det viktig at de som har gode familier, viser en raushet sånn at vi bruker fellesskapets midler til dem som ikke har tilsvarende styrke når en er i en krevende situasjon. Representanten Per Olaf Lundteigen har tatt opp de forslagene han refererte til. Når Stortinget i dag handsamar ei melding om familien og familiepolitikk, er Når Stortinget i dag handsamar ei melding om familien og familiepolitikk, er det mykje ein kunne ha drøfta, ikkje minst fordi omgrepet «familie» har vorte så mykje meir mangfaldig berre i laupet av tida sidan førre familiemelding vart handsama her på huset. Og politikken me fører no, får dimed andre fylgjer for fleire. For Venstre er det ein verdi i seg sjølv at menneske er ulike Respekt for ulikskap er inkluderande, for respekt betyr nysgjerrigheit i møte med det ukjende og toleranse for at det gode liv ikkje er likt for alle. Det vert levd ulike liv i dette landet – heldigvis. Dette er ei forståing som etter kvart har fått tilslutning i dei fleste partia på Stortinget, men eg har likevel eit visst behov for å minna om at vegen dit ikkje berre har vore bein.

I Noreg veks dei aller fleste barn opp i trygge familiar. Ungdomsgenerasjonen har det betre no en nokon gong tidlegare. Dei kjenner ei sterkare tilknyting til foreldra sine, tek lengre utdanning, er mindre kriminelle og nyttar mindre rusmiddel. Men sjølv om den store majoriteten har ein god oppvekst, er det somme som likevel fell utanfor, og som har fått tildelt familiar som ikkje klarar å gje dei den tryggleiken dei treng. Fleire unge slit òg med psykiske plager. Med ganske enkle grep kan me bidra til å sikra desse barna betre livskvalitet og sosial mobilitet langt utover dei fyrste leveåra, i alle fall eit stykke på veg. Men som det er med dei fleste enkle grep, kostar dei pengar. Det

Eg konstaterer at familiemeldinga er litt som dei andre meldingane me handsamar på familiefronten dette halvåret, som likestillingsmeldinga og fosterheimsmeldinga – det som ikkje står, er enklare å kritisera enn det som faktisk står. Og det som ikkje står, handlar mykje om pengar. Den jobben er me innforstått med at me lyt ta i samband med budsjettet til hausten.

Men eg vil understreka at Venstre i utgangspunktet støttar både intensjon og ambisjon i mange av desse forslaga. Me tek difor unna retten til å koma tilbake til dette på ein dertil egna måte i budsjettsamanheng eller på anna vis. Somme av forslaga slår dessutan inn opne dører, t.d. forslag 17 om sosiale rettar for sjølvstendig næringsdrivande, som me allereie er på god veg å løysa gjennom tidlegare budsjettrundar, og som er i prosess. Me finn likevel å kunna støtta forslag nr. 1, nr. 5, nr. 14 og nr. 16. Fleire av desse er variantar av forslag me sjølve har fremja i tidlegare debattar. Me er elles sjølvsagt opne for dei argumenta som vert førte i debatten.

Det kjennes spesielt å behandle en familiemelding rett etter et av de groveste angrepene på kjærligheten og mangfoldet i vår tid, rett etter at 50 mennesker har blitt drept for å være i et fellesskap av mennesker som er glad i andre mennesker med samme kjønn. Det setter overskrifter og begreper som ansvar, frihet og valgmuligheter i perspektiv. Nok en gang må vi slå fast at vi aldri er i mål – vi er ikke i nærheten av mål før noens kjærlighet slutter å vekke andres hat. Kjærlighet er slett ikke alltid verken likeverdig eller rettferdig. SV har fremmet en del forslag her i dag som vi mener er nødvendig for å styrke denne meldingen, og for å styrke de menneskene som utsettes for vold av sine kjære. Vold i nære relasjoner er et samfunnsproblem. Verken det enkelte forhold eller samfunnet kan kalles likestilt så lenge noen holdes nede av overgrep, av makt, av kontroll. Men vi må heller aldri leve i den illusjonen at volden ikke kommer og kan ramme blindt i et av verdens mest likestilte land. For å bekjempe samfunnsproblem trengs det systematikk i arbeidet, det trengs bevissthet, det trengs handling. Derfor foreslår vi at alle kommuner skal ha handlingsplaner mot vold i nære relasjoner, og vi foreslår at kommunene skal sikres kompetanseheving på feltet. Videre ser vi at det er behov for et botilbud etter endt opphold på krisesenter og foreslår bedringer gjennom Husbanken for å bøte på det.

fellesskap, at det er brede velferdsordninger som er grunnlaget for alles trygghet og gode liv, og at frihet er en grunnverdi. Derfor håper jeg at alle partier kan samles i dag om forslaget som SV fremmer om at det skal legges fram en sak for Stortinget om å reformere omsorgslønn og pleiepenger snarest. Jeg gjør oppmerksom på en liten endring i eget forslag. Vi ber regjeringen snarest og senest i forbindelse med budsjettet for 2017 legge fram en sak om forbedring av pleiepenger og omsorgslønn for Stortinget. Det burde være uproblematisk å slutte seg til all den tid det faktisk står i regjeringserklæringen at det skal skje.

Jeg vil si at det er et stykke igjen til den faktisk gjør det. SV har fremmet noen forslag i dag for å bedre på det. Jeg tar opp SVs forslag. Representanten Kirsti Bergstø har tatt opp de forslagene hun selv refererte til. Familien er til. Familien er samfunnets grunnleggende enhet, byggestein og verdiformidler. Regjeringen ønsker med denne meldingen å framheve og styrke familiens rolle i samfunnet og belyse de viktigste forutsetningene for at familiene skal kunne fungere godt. Det er 13 år siden det ble fremmet en familiemelding, og mye har skjedd i samfunnet rundt oss, både her hjemme og ute i verden. Familien er en viktig ressurs og er avgjørende for god psykisk og fysisk helse og mestring. Meldingen legger til grunn at det brede mangfoldet i familieformer skal respekteres og støttes når sentrale verdier, lover og konvensjoner er ivaretatt. Familien tar de Velferdstjenestene gir familiene muligheter til å ta gode valg som passer i egen hverdag gjennom bl.a. helsetjenester, foreldrepenger, engangsstønad ved fødsel, barnehage, skole, barnevern, familievern, bostøtte, overgangsstønad, eldreomsorg mv. Samtidig er ikke alltid tjenestene like godt koordinert overfor familier med sammensatte problemer. Noen opplever å bli kasteballer mellom ulike offentlige tjenester. Et mål med meldingen er å understreke at den lokale koordineringen av familienære tjenester, forebygging og tidlig innsats er nødvendig. Jeg har lyst til å trekke fram mange gode eksempler fra kommuner som gjør et godt arbeid på dette feltet. Typiske familienære tjenester er samlokalisert i familiesentre eller Familiens hus. Disse kommunene har bedre forutsetninger for å møte behovet for helhetlige og koordinerte tiltak overfor den enkelte familie.

Økningen vil styrke behandlingskapasiteten, redusere ventetiden og gi større mulighet for forebyggende arbeid og samarbeid med andre familierettede tjenester. For å sikre større og mer robuste fagmiljøer har familieverntjenesten gjennomgått en prosess hvor små kontorer er blitt slått sammen. Tilbudet til befolkningen har ikke blitt påvirket av dette. Utekontor og filialkontor ivaretar behovet for rådgivning, behandling og mekling. mekling. Det totale antall lokasjoner er tilsvarende som før sammenslåingene. Det er mitt håp og ønske at flere familier vil benytte lavterskeltilbudet om par- og familieterapi, også utover mekling ved samlivsbrudd, og jeg vil også sette i gang en kartlegging av hvordan familier med innvandrerbakgrunn bruker familieverntjenesten for å forebygge problemer som kan oppstå. Det er viktig at familievern i større grad kan arbeide forebyggende i samarbeid med kommunale tjenester for å forhindre at samlivsproblematikk og konflikter fører til alvorlige familieproblemer og samlivsbrudd. Vi har satt i gang et utredningsarbeid på dette området og vil på den bakgrunn vurdere å få inn tydelig tekst om forebyggende arbeid i lov om familievernkontor.

Hvorfor tror statsråden det er slik at familier flest generelt velger at det er mor som skal være mest hjemme og ta mer av omsorgen for barn, og at det er far som skal ta minst permisjon og forfølge karrieredrømmen, mens mor ikke gjør det? Er det helt naturlig? Er det biologisk? Hvorfor er dette vanlig? Igjen drar representanten Trettebergstuen opp alle forslagene som hun mener denne meldingen ikke inneholder. Men det er altså 61 forslag som er med på å ivareta familien, både med de utfordringene de har, og de problemene som kan komme. Det som er gjennomgående med denne meldingen, er at vi løfter opp familien som en grunnleggende enhet, men også at familiene skal klare å løse sine hverdagsutfordringer på den måten som de finner best, det å respektere at familien har en valgfrihet, at familien vet best. Det er slik i Norge at både kvinner og menn har en unik mulighet til å kombinere arbeidsliv og familieliv, men i motsetning til representanten Trettebergstuen har altså regjeringen tro på at familiene selv, hjemme rundt kjøkkenbenken, klarer å finne ut av hvordan de ordner sin hverdag.

Folk skal selvsagt få lov til å velge selv, men det gir ikke større valgfrihet for folk at man må jobbe midlertidig, at man må jobbe ufrivillig deltid, eller at en far ikke får ta ut pappapermen sin. Vår oppgave som politikere er å spørre hvorfor folk velger som de gjør. Regjeringen lukker øynene for at de små og store valgene folk tar, tas innenfor noen rammer og forventninger fra samfunnet rundt og kanskje ikke alltid er så frivillige som vi tror. Avviser statsråden at rammene som politikken skaper rundt livene til folk og familiene, også avgjør hvilke valg man reelt sett kan ta? Familiene i dag har utrolig mange gode velferdsordninger som er med og skaper en bedre hverdag for den enkelte familie. De velferdsordningene, som det er politisk enighet om, er med på å gjøre hverdagen for enklere. Jeg har ikke som politiker eller statsråd behov for å gå inn i hvert enkelt hjem og spørre hver enkelt familie: «Hvorfor har du gjort ditt valg selv, på den måten?» Jeg har tro på familiene, på at de klarer å ta de valgene som er best for deres familie der og da. Det har altså familiene i Norge i dag mulighet til med de gode velferdsordningene – både foreldrepengeordning, barnehage og kontantstøtte, som har vært viktig for denne regjeringen. I meldingen er

på familievernet, har gjort at flere barn får denne samtalen. Barns rett til å bli hørt er grunnleggende i all lovgivning her i Norge, og det er viktig at familievernkontorene jobber på den måten, slik at vi kan tilby hvert barn en slik samtale der det er ønskelig for familien. Det er vanskelig for meg å si om det skal være 7 pst., 10 pst., 20 pst. eller 100 pst. Jeg tror vi alle skulle ønske at alle barn

nye fødetilbud som innebærer at de fødende skal ligge seks timer på sykehus etter fødsel. Blant annet legger Haukeland sykehus opp til at 40 pst. av de fødende forventes å forlate sykehuset innen seks timer. Det viser at det blir et økende behov for et godt jordmortilbud i jordmortilbud i norske kommuner for å sikre forsvarlig oppfølging av mor og barn i svangerskapet og barseltida. Vil denne politikken fra spesialisthelsetjenesten, som er statens ansvar, føre til at statsråden vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte med en sak om økt jordmortilbud i norske kommuner, slik at det lønner seg for kommunene å ha sitt eget jordmortilbud og ikke henvise til lege, slik som det foregår mye av i dag?

gjennomtenkte valg. Så ser vi at er det noe mange familier vil, så er det å ta vare på hverandre når noen er syke. Særlig viktig er det for foreldre å kunne ta vare på ungene sine når ungene er syke, og gjerne langvarig Det er derfor SV i dag fremmer forslag om at pleiepengeordningen, omsorgslønn, må komme til Stortinget som sak snarest mulig. Derfor lurer jeg på om barneministeren ser behovet for at barna får tryggere rammer i form av at foreldrene sikres økonomisk når de skal være hjemme og ta vare på syke barn, at forbedringer i pleiepengeordning og omsorgslønn vil bidra positivt til det, og at det haster å få det på plass. Jeg er opptatt av alle familier som har utfordringer i hverdagen, enten de har barn som er syke, eller, som vi diskuterte i forrige uke, har hatt flerlingfødsel, fått flere barn på en gang.

en satsing på pårørende, noe som er et viktig arbeid overfor pårørende til barn som er syke, eller andre pårørende som trenger ekstra hjelp. Det som er viktig, er at vi tenker forebyggende, at vi kommer inn tidlig for å hjelpe det enkelte foreldrepar til å bli trygge og gode foreldre for barna sine, og at familiene får hjelp til de utfordringene de har i enkelte faser av et familieliv.

til det beste for familiene og for barna. Da blir jeg litt forundret over at Arbeiderpartiet sier at familieverntjenesten ikke er aktuell. Hva med hverdagsutfordringene? Ja, da synes jeg kunnskapen mangler hos Arbeiderpartiet. Det nytter ikke å sitte og utforme familiepolitikken på Youngstorget. Man bør reise ut til familieverntjenesten. Det er nemlig en skjult skatt. Det er et gratis lavterskeltilbud, og de som jobber der, er dyktige fagfolk med høy kompetanse. Norge er unikt når det gjelder familievernkontorene. Kontorene er spredt over hele landet, og er både offentlig og kirkelig eid. Det er ikke slik at familievernkontorene er skilsmissekontor alene. Riktignok må par som skiller lag og har felles barn under 16 år, komme til mekling, men det er til barnas beste. Familieverntilbudet er så mye, mye mer: parterapi, familieterapi, forebyggende arbeid, utadrettet arbeid og samtaler med barn. Tjenesten har fått en historisk budsjettøkning, med over 90 mill. kr de siste tre årene. Mange har erfaring med å gå til familievernkontoret, og det er ikke et nederlag. nederlag. Mange får hjelp til å håndtere hverdagen eller kriser, med råd om å sette barna i sentrum. Et mål er at flere barn skal bli hørt og medvirke i saker som angår dem. Derfor er familievernkontoret styrket med 5 mill. kr i år, for nettopp samtaler med barn. Det framgår av tallene fra familievernet i fjor at det allerede er en økning i samtaler med Et viktig forslag i meldingen er å vurdere en lovfesting av forebyggende arbeid i lov om familievernkontorer. Jeg har forstått at regjeringen, med Solveig Horne i spissen, ønsker et tett samarbeid med de lokale familietjenestene og familievernet. Samlet kompetanse må utnyttes bedre, til det beste for familiene som strever – før krisen blir akutt. Jeg er fortsatt forundret over at Arbeiderpartiet kan si at dette ikke har noe med hverdagsutfordringer for barnefamilier å gjøre. Det er nettopp det det har. Familieverntjenesten er som sagt en skjult skatt i dette landet. Dette må vi slå ring rundt, og dette må vi bygge videre på. Det er nettopp det vi trenger. Som sagt, Kristelig Folkeparti er veldig glad for anledningen til å drøfte familiepolitikk i Stortinget. Det er

ikke enten–eller, og at nøkkelen til god familie- og likestillingspolitikk ligger i samspillet mellom disse to. Det er viktig å utvikle politikk som ivaretar familiens behov og likestillingshensyn. Familielivet er best når det preges av likestilling og likeverd, og likestillingskampen handler bl.a. om rett til og mulighet til å kunne kombinere barn og familie med deltakelse i arbeidslivet, i samfunnslivet og i beslutningsfora. Det er en viktig del av likestillingspolitikken å sikre at foreldre kan delta i arbeidslivet dersom de ønsker det. Kvinner og menn møter i dag ulike forventninger og begrenses i sine valgmuligheter. Det er ikke sånn det skal være. Derfor må likestillingspolitikken sikre like muligheter, like muligheter, likelønn, jevnere arbeidsdeling mellom mor og far og mulighet til å kombinere jobb med familieliv og det å ha barn. Familiepolitikk handler først og fremst om barnas behov, en trygg oppvekst og god støtte til familiene. Kristelig Folkeparti mener de gode politiske løsningene finnes i samspillet mellom disse hensynene. Det blir ikke god familiepolitikk dersom likestillingsperspektivet mangler, og likestillingspolitikken blir ikke bra dersom den ikke legger til rette for at vi skal kunne klare å kombinere arbeids- og familielivet på en god måte. Når det gjelder Kristelig Folkepartis voteringsorden i dag, hvordan vi skal stemme, er det sånn at i tillegg til familiemeldingen har Kristelig Folkeparti fremmet et representantforslag der vi løfter fram en rekke konkrete forslag som vi mener kan forbedre familiepolitikken. Mange av dem er budsjettforslag som vi tar med oss til høstens budsjettrunder. I vårt alternative budsjett beskriver vi hvilke av disse forslagene vi mener må prioriteres i budsjettet for 2017, og budsjettforhandlingene vil vise hvilke av disse forslagene vi får gjennomslag for. Vi fremmer derfor ikke forslagene nå, men dette kommer vi tilbake med når vi skal prioritere innenfor 2017. Kristelig Folkeparti kommer til å stemme for Senterpartiets forslag nr. 2, nr. 4, nr. 6, nr. 7 og nr. 8. Når det gjelder forslag nr. 4, der realverdien av kontantstøtten skal sikres, er det det å si at realverdien har blitt godt ivaretatt gjennom den markante økningen vi fikk til i budsjettet for 2015. Det ganske spesielt å høre på kritikk spesielt fra Arbeiderpartiet om denne meldingen. De satt selv i hele åtte år og syntes ikke det var viktig å legge fram en melding. Man må gå 13 år tilbake for å finne noe. At de nå er veldig engasjert, er lite troverdig. Norge er et av de mest likestilte landene i verden. Norske menn og kvinner har en unik mulighet til å kombinere familie- og arbeidsliv. En av de viktigste forutsetningene for at familien skal fungere godt, er å være i lønnet arbeid. De familiepolitiske ordningene og lønnede permisjonene gjør det i stor grad mulig for begge foreldre å være i jobb og samtidig ta seg av familien. Jeg er glad for å representere en regjering som har satt strategien «Barn som lever i fattigdom» på et godt verktøy for å motvirke fattigdom og som har fått budsjettøkning de siste årene. Bufdir har fått i oppdrag å utvikle et sett med indikatorer som skal gjøre det lettere for kommunene å identifisere hvilke barn og unge som er rammet av fattigdom. Nav har startet med flere pilotprosjekter der utsatte familier med sammensatte problemer møtes samlet og koordinert. Disse familiene skal bl.a. lære budsjettering og økonomi for å få hjelp i de ulike tjenestene. Meldingen understreker noen viktige rammer rundt familiens valg: arbeidslivet, inntektsutviklingen, inntektssikringsordningen og boligspørsmål. Denne regjeringen har styrket bostøtten og antall utleieboliger. Hver dag tas det beslutninger i familien som har betydning for økonomien til familien. Gjeldsnivået i norske, unge familier er høyt, men de aller fleste klarer å betjene sine lån. I meldingen omtales opplæring i økonomi for unge, ulike nettportaler for prissammenligning, gjeldsrådgivning og viktigheten av god og riktig informasjon om forbrukernes rettigheter slik at folk kan ta informerte valg. Jeg vil gi honnør til regjeringen og statsråden, som vil styrke arbeidet for å motvirke barnefattigdom og hindre at fattigdom går i arv, bl.a. ved å følge opp barnefattigdomsstrategien «Barn som lever i fattigdom – Regjeringens strategi videreutvikle tilskuddsordningen som er målrettet mot barnefattigdom, følge opp implementering av Sjumilssteget i kommunene, der det er utarbeidet en sjekkliste for hvordan kommunene ivaretar barnekonvensjonsbestemmelser, utvikle og prøve ut et helhetlig oppfølgingsprogram for lavinntektsfamilier ved Nav-kontor, følge opp strategi for boligmarkedet og «Bolig for arbeid – Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid», fortsette opplæring i personlig økonomi, som Finansportalen, Økonomilappen og Sjef i eget liv, og følge opp ny handlingsplan for universell utforming listen er lang. I tillegg har denne regjeringen styrket barnevernet, økt kompetanse og veiledning nettopp for å holde familien samlet, noe som burde vært gjort for mange år siden, men denne regjeringen har tatt grep. Når Arbeiderpartiet kritiserer, er det lite troverdig. Familie og oppvekst er noe de fleste av oss har et forhold til. Det legger viktige rammer for barn og unge i deres viktigste og første fase i livet. Familieforhold har også stor betydning for hvordan samfunnet arter seg, og hvordan menneskenes grunnleggende verdier blir Saken vi i dag skal behandle i denne salen, er derfor utrolig viktig, og jeg er glad for at regjeringen løfter fram familiepolitikken gjennom denne stortingsmeldingen. Trygghet og forutsigbare rammer er de viktigste forutsetningene for en forsvarlig og sunn oppvekst. Vold i nære relasjoner skader og ødelegger disse forutsetningene, og rammer mennesker der de skulle ha vært tryggest, nemlig i familien. Vold i nære relasjoner omfatter all fysisk og psykisk vold og trusler mellom nåværende og tidligere familiemedlemmer. Det omfatter også barn som er vitne til vold i familien. Nyere studier viser at vold og seksuelle overgrep dessverre rammer en betydelig del av befolkningen. Eldre er også en målgruppe som er utsatt. Dessverre er det fortsatt mørketall når det gjelder å varsle slik vold. Tabuer og skam er knyttet til å anmelde et familiemedlem eller en annen nærstående for øvrig. Barn skal ikke utsettes for vold og omsorgssvikt, og vi har alle et ansvar for å melde fra der vi tror at sånne forhold finner sted. Vold i nære relasjoner er også et betydelig folkehelse- og likestillingsproblem. Derfor er jeg glad for at arbeidet mot vold i nære relasjoner er høyt prioritert av

den måten øker vi mulighetene for at klanderverdige forhold blir oppdaget og varslet. Med hensyn til at voksne også utsettes, vil regjeringen også styrke samarbeidet mellom myndighetene og frivillige organisasjoner mot overfall. Det er jeg glad for, og jeg er glad for at komiteen støtter det. Fremskrittspartiet har alltid vært tydelige på at vi vil arbeide for å ha gode støtteordninger som beskytter og hjelper familiene og barna som trenger det. Vold i nære relasjoner er ingen privatsak, det er et samfunnsansvar. Det var aldri et mål for Arbeiderpartiet i regjering å legge fram meldinger for å kunne diskutere rollen familien har i

gjennom å sørge for at familiene hadde de rette rammene rundt seg til å kunne leve i frihet og ta sine selvstendige valg, og gjøre det mulig for både mor og far å kunne kombinere arbeid med familieliv. Vi bygde ut barnehagene, tidenes største velferdsreform, et av de viktigste grepene vi noensinne har tatt for at familiene skal ha gode rammer rundt seg. Når regjeringen nå nok en gang hadde muligheten, som de hadde med likestillingsmeldingen, til å legge fram en melding som ikke bare kunne si noe om familien og utfordringene de har, men faktisk legge fram politikk som kunne gjøre noe med det, har de nok en gang bevist at de ikke gjør det når de har sjansen. Nok en melding som beskriver familiene med omsorgsutfordringer og spesielle utfordringers behov, det er vel og bra. bra. Jeg sa i mitt innlegg at Arbeiderpartiet er for alle mulige styrkinger og bedringer av familievernet, men det var ingen melding om familievernet vi ventet på. Vi ventet på en stortingsmelding om familienes hverdagsutfordringer, utfordringer familier flest kan kjenne seg igjen i, og svar de kunne tro på. Det fikk vi ikke. Det står ingenting i denne meldingen om hvordan politikken, med de rammene vi skal sørge for å gi, kan bidra til at folk flest kan løse opp i tidsklemma når man føler at man ikke får familielivet og arbeidslivet til å gå i hop. Det står ingenting i meldingen om annerledesfamiliene, f.eks. der det er to mødre, en far og et barn, om hvordan de skal forholde seg til velferdsordninger og -rammer som er utdatert. Denne meldingen er god på mye beskrivelse, men det er ikke en melding som tar på alvor de utfordringene familier flest har, og den peker ikke på noen løsninger for dem. Vi i Arbeiderpartiet har andre løsninger. Vi vil videre. Vi anerkjenner og tror på at familiene er mer mangfoldige nå enn noensinne. Vi tror at politikken skal legge til rette for at folk skal få lov til å ha reell valgfrihet. Da må politikken stille opp. Vi ser at denne regjeringen har gått i motsatt retning ved å kutte i de ordningene og de rammene som gjennom historien har gitt mor og far reell valgfrihet til å kunne ta vare på barn og f.eks. jobbe. Etter det siste innlegget er det et tankekors når en leser innstillinga, som er veldig ordrik, at ikke Arbeiderpartiet har synliggjort det som representanten Trettebergstuen nå sier. Det har vært veldig gode muligheter der til å vise det som er innholdet i det representanten nå sier, så det er ganske spesielt. Senterpartiet sitter ikke i komiteen, så vi har en stor ulempe i dette. Derfor har vi også mange løse forslag. Kristelig Folkeparti er engasjert i familiepolitikken, som Senterpartiet er, og Kristelig Folkeparti løfter fram elleve forslag i eget representantforslag, som kom tre dager før regjeringas stortingsmelding. Som sagt er ikke de tatt opp i behandlingen nå, og vi fikk forklaringen fra representanten Bekkevold, som sier at det har med budsjettforslaget å gjøre, og at det tas med i høstens stortingsbehandling av budsjettet. Men det er jo noe spesielt at de ikke er fremmet i dag, for budsjettbehandlingen er ingen nyhet som kom etter den 12. april. Jeg synes det er veldig rart at en fremmer så presise forslag og ikke følger dem opp. Når det er sagt, er Senterpartiet glad for Kristelig Folkepartis støtte til fem av våre forslag. Ellers fikk jeg liten tid til å at forslag nr. 17 går på å gi sjølstendig næringsdrivende like gode rettigheter i forbindelse med svangerskap og fødsel som lønnsmottakere. Sjølstendig næringsdrivende har sin store svakhet i et dårligere sosialt sikkerhetsnett både når det gjelder svangerskap og fødsel, og når det gjelder sykdom, som vi ellers har debattert. Senterpartiets forslag nr. 18 ber en også regjeringa vurdere hvordan far kan sikres en sjølstendig uttaksrett til foreldrepermisjon og fedrekvote. Det er viktig for oss. Helt til slutt vil jeg si at familiens styrke erfarer en når det røyner på for noen i familien. De som har et sterkt familiefellesskap hvor en hjelper hverandre, har en stor fordel – det gir trygghet. For de familier som ikke har dette, må fellesskapet bistå sterkere. sterkere. Dette behovet erfarer vi daglig når vi ser hvordan folk har det i dagliglivet – på Nav-kontoret, på sykehjemmet eller på sykehuset – hvor noen har bare få pårørendebesøk, ja, noen har rett og slett ingen. Det er derfor viktig for Senterpartiet å ha kontinuerlig søkelys på hvordan fellesskapets penger brukes til å bistå dem som ikke har en sterk familie som bistår en i krevende situasjoner. Her kreves det forbedringer for familier som har lite overskudd. Jeg vet det er krevende, jeg hvor vanskelig det er, men det å ha det kontinuerlige blikket på de menneskene som er i denne situasjonen, synes vi er en stor politisk oppgave. Dette er politikk, og det er et politisk krevende valg som Senterpartiet er opptatt av at vi tar hver eneste dag i våre handlinger. Jeg hører til dem som synes det er synd at ikke Senterpartiet har prioritert å sitte i denne komiteen, så de kunne vært med og utformet familiepolitikken i lag med de andre partiene, som faktisk har gjort et stort stykke arbeid i forbindelse med denne meldingen. Siden det er fotball-EM, er det fristende å dra en historie fra en gang vi så John Carew skulle ha et innhopp på landslaget. Han hadde gledet seg sånn til endelig å få prestere at han fikk det han selv kalte for «innbytterpuls», og resultatet var at han skjøt langt over mål. Sånn er det kanskje også for representanten Lundteigen når han slår i øst og vest i sine angrep på komiteens medlemmer. Det som har vært vårt ankepunkt mot regjeringens stortingsmelding i familiepolitikken, som det har vært i mange andre saker denne våren, er at regjeringen ikke tar tak i de strukturelle hindrene for likestilling, for at familiene skal oppleve frihet, for at folk skal få løst sine hverdagsutfordringer. Det vi ser er helt gjennomgående i alt det denne regjeringen legger fram, er at ja, man klarer til en viss grad å beskrive virkeligheten sånn som den er i dag, men man legger ikke fram et eneste forslag forslag for virkelig å ta tak i de strukturene som i dag hindrer friheten for enkeltmenneskene. Vi står altså igjen med en regjering som i stor grad legger opp til at også dette feltet privatiseres. Det blir hver enkelt familie som selv får finne ut av hvordan de løser utfordringene sine. Det er i og for seg en velkjent Fremskrittsparti-holdning at dette ikke er vårt ansvar, men det at også politikken skal beskytte familiene. Morten Stordalen var opptatt av at arbeid er nøkkelen til frihet. Ja, det er vi helt enige om. Det var derfor den rød-grønne regjeringen hadde som en av de største innsatsene i den perioden vi hadde regjeringsmakt, nettopp å sikre at folk hadde muligheten til å jobbe. Vi kom gjennom finanskrisen med Europas laveste ledighet. Nå sitter Høyre og Fremskrittspartiet i regjering, og vi har en ledighet som er i sterk vekst. Muligheten for at flere skal få jobbe, for at flere skal ha egen inntekt og gjennom det få frihet, begrenser regjeringen med sin totale mangel på offensiv holdning til å møte disse utfordringene. Der vi la opp til billigere barnehageplasser, flere barnehageplasser at flere fedre skulle kunne være hjemme med omsorgen for barn, går utviklingen i stikk motsatt retning: Det blir dyrere, det blir lengre køer, og det blir færre fedre som tar ut pappaperm. Vi ser det også i utfordringen med å kombinere arbeid og omsorg, med flere midlertidige stillinger og mer overtidsarbeid fra denne regjeringen, der vi mener at politikken skal beskytte familien. Så helt gjennomgående er det en helt annen politisk ideologi vi ser det gis uttrykk for.
Neste taler er

Da må man kanskje gå i seg selv. Hva gjorde man selv? Nei, ingen ting. Og man sier at her er det så mye galt, det er så mye man burde gjort annerledes, og så fremmer man ikke en rekke forslag. Det er ikke troverdig. Arbeiderpartiet har meldt seg ut når det gjelder familiepolitikk. Og når jeg hører Grande

men det er klart at det skal legges et sikkerhetsnett når man trenger det. Nok en gang: Jeg er glad for at vi har en regjering som legger fram en egen melding, diskuterer det som et eget tema, et eget punkt, en egen sak i Stortinget, og legger vekt på at familien er det viktigste

fra Arbeiderpartiet til Fremskrittspartiet, er med i veldig mange felles merknader. Så den lille disputten som man prøver seg på her, tror jeg ikke kommer til å føre familiepolitikken ett skritt videre. Jeg tok egentlig ikke ordet primært for å si det, men Per Olaf Lundteigen har ikke slått seg helt til ro med hvordan Kristelig Folkepartis strategi har vært når det gjelder framleggelsen av dette Folkepartis side hatt ikke bare behov for, men også veldig lyst til, å fremme Kristelig Folkepartis helhetlige politikk, og det har vi gjort gjennom disse forslagene som vi har løftet fram, og som vi mener er gode forslag. Men det er helt klart, og dette vet også representanten Lundteigen, at når man kommer til budsjettforhandlingene, venter det oss en knalltøff jobb det vet Senterpartiet veldig godt ut fra sin tid i regjering. Og det er i prioriteringene i budsjettet vi bruker disse elleve forslagene, og der skal vi vise Senterpartiet hva som er Kristelig Folkepartis prioriteringer. Jeg vil heller velge den strategien enn å risikere at alle elleve forslagene blir nedstemt i Stortinget i dag. Det er årsaken til at vi har valgt å gjøre det slik vi har gjort det. Så håper jeg også at Senterpartiet opplever den rausheten som ligger i at vi faktisk stemmer for Senterpartiets forslag, som vi er for, i stedet for å gjøre som Senterpartiet gjorde da de satt i regjering, nemlig konsekvent stemme imot de forslagene som opposisjonen fremmet, selv om de var 100
Neste taler er

Jeg vet ikke om det er sånn at alle de som får oppleve felles ekteskapslov, opplever det som ingenting. Når man påstår at den rød-grønne regjeringen ikke gjorde noen ting, vet jeg ikke om alle de som fikk oppleve en periode med mer likestilt foreldrepermisjon, opplevde det som ingenting. Jeg vet ikke om alle de som har fått ammefri, opplever det som ingenting. For ikke å snakke om det systematiske og langsiktige arbeidet for et mer likestilt arbeidsliv i form av å bekjempe en deltidskultur som handler om strukturer, om forventninger, om kjønnsroller, og som må gjøres på lang sikt i samarbeid med partene, som handler om å endre måten vi ser på oss selv på, på omgivelsene Det handler om at man stiller krav gjennom å si til helseforetakene at her skal man ha færre deltidsansatte og øke antall heltidsansatte. Det handler om at man gjør et arbeid i kommunene for å ha en deltidskultur, og at man jobber både i privat og i offentlig sektor for at heltid skal være det arbeidslivet som preger kvinnelivet, for det er lite moderne sånn som det er når kvinner jobber deltid og menn jobber overtid. Det handler om å se systemene: Hva er det som bidrar til skjevheter? Det handler om å se at det finnes strukturer som man er nødt til å jobbe systematisk for å bryte ned for at folk skal kunne ha reelt frie liv. Jeg tror ikke at de som opplevde den politikken, vil regne det som ingenting. Så er det noen spørsmål om hvorfor det ikke fremmes en rekke forslag fra Arbeiderpartiet her i dag. Jeg synes representanten Trettebergstuen har svart godt for det, og Arbeiderpartiet kan svare godt for seg selv. Men jeg synes det er for mye forlangt å tenke at Stortinget skal redde regjeringen hver eneste gang man legger fram en melding uten innhold og med få tiltak, og som ikke favner om den brede politikken som man vet kunne virket, og som kunne gjort en reell forskjell i menneskers liv.

gangs behandling av lovsaker. Presidenten vil foreslå at sakene behandles under ett. – Det anses vedtatt. Ber noen om ordet?

søker som på søknadstidspunktet har fylt 18 år, må likevel ha oppholdt seg i riket de siste tre årene med oppholdstillatelser av minst ett års varighet. Oppholdstid eller flere søknadsperioder medregnes i treårsperioden. Søkere som ved egen handling eller unnlatelse har valgt å være statsløs, eller som på en enkel måte kan bli statsborger av et annet land, omfattes ikke av paragrafen her.

og slett det blir

ESA, men der

dem få

fra Terje Aasland på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet forslagene nr. 29–36, fra Terje Aasland på vegne av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne forslagene nr. 38 og 39, fra Terje Aasland på vegne av Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne forslag nr. 40, fra Terje Aasland på vegne av Arbeiderpartiet forslag nr. 41, fra Marit Arnstad på vegne av Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne forslagene nr. 42–86, fra Heikki Eidsvoll Holmås på vegne av Sosialistisk Venstreparti og

forslag nr. 3, fra Terje Aasland på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet forslag nr. 4, fra Terje Aasland på vegne av Arbeiderpartiet forslag nr. 5, fra Marit Arnstad på vegne av Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslagene nr. 6 og 7, fra Heikki Eidsvoll Holmås på vegne av Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne forslag nr. 8, fra Rasmus Hansson på vegne av

voteringen er

Det foreligger ingen forslag til anmerkning. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overenstemmelse med Grunnloven. Lovvedtak 102 gjelder Stortingets vedtak til lov om endringer i utlendingsloven mv. Under debatten er det satt frem ett forslag. Det er forslag nr. 1, fra Ingjerd Schou på vegne av Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og

mot

ser